nå sist ved at lønnskravene var moderate, og at partene så at det var behov for å gjøre grep for at bedrifter som ser at de har muligheter for nye oppdrag i framtiden, kan permittere i en lengre periode enn det dagens lovverk tilsier. Og vi ser at nært samarbeid mellom partene og myndighetene er nøkkelen til et av verdens mest velordnede arbeidsliv. Men så er det sånn at systemet utfordres. Flere og flere utsettes for et arbeidsliv som ikke følger de standarder vi er vant med, og som er riktige. Fellesbetegnelsen sosial dumping får stadig nytt innhold. Kreativiteten er stor. Et eksempel på denne kreativiteten er fast ansettelse uten fast lønn. En må stå til disposisjon for arbeidsgiver, men en får bare lønn når det er oppdrag. Noen synes å mene at det er arbeidstakerne som har skylden for dette – ikke de norske, men de utenlandske. Det er etter Arbeiderpartiets mening å ha feil fokus. Det må være helt klart at arbeidstakere som kommer til Norge for å arbeide, skal ha samme lønns- og Det hviler et stort ansvar på enkeltpersoner, på bedrifter og på det offentlige systemet for å få til nettopp det. Stoltenberg-regjeringen la fram tre handlingsplaner mot sosial dumping – tre, fordi kreativiteten er større enn det storting og regjering ser for seg når planer og lovverk vedtas. Men hva har skjedd etter regjeringsskiftet? Har det blitt noen nye initiativer de tre årene Siv Jensen har vært finansminister? Ja, det har kommet nye forslag, men det er forslag som svekker arbeidet mot sosial dumping: Arbeidsmiljøloven er svekket på vesentlige punkter. Ordningen med kollektiv søksmålsrett er fjernet. Det svekker arbeidet mot sosial dumping nettopp fordi de kollektive ordningene bidrar til mer felles innsats enn om enkeltpersoner må prøve saker for rettsapparatet. Likebehandlingskravet er borte. Flere jobber blir midlertidige, og det krever ingen nærmere forklaring at en med midlertidig jobb står svakere overfor en arbeidsgiver med arbeidsmetodikk som ligger langt unna de vernebestemmelsene som det norske lovverket aksepterer. Ett område er bra, og vi er glade for at samarbeidspartiene har bidratt til at arbeidet med å opprette flere sentre mot arbeidslivskriminalitet har blitt en realitet. Det er en god oppfølging av det arbeidet som ble påbegynt gjennom de tre handlingsplanene mot sosial dumping som ble vedtatt tidligere. Men i en situasjon der vi har nådd den høyeste ledigheten på 23 år, er det grunn til å være bekymret – selvsagt for alle dem som mister jobben, men situasjonen er med på å forsterke en utvikling med større forskjeller mellom folk. I tillegg kan høy ledighet forsterke utfordringene med sosial dumping. Derfor er det grunn til å forvente mer av en regjering som gikk til valg på omkvedet om nye ideer og nye løsninger. På dette området har vi verken sett nye ideer eller nye løsninger. Vi har bare sett skyhøy

Samtidig er det et slående trekk i vår tid at mens forskjellene mellom land er redusert, har forskjellene innad i nesten alle land økt. I flere land har forskjellene i inntekt og formue økt dramatisk de siste 30 årene. De aller rikeste er blitt voldsomt mye rikere, oftest med en villet politikk med store skattekutt til de aller rikeste. Samtidig har ledigheten bitt seg fast på et høyt nivå i mange land. En stor del av jobbene som har kommet til, har ikke gitt fast arbeid eller sikker inntekt. Siden midten av 1990-tallet er bare halvparten av alle nye jobber i OECD-området vanlige, faste jobber – en utvikling som i seg selv bidrar til voksende ulikhet. Norge har lenge vært et unntak. Vi startet vår moderne historie med et samfunn av ganske likestilte og selvstendige bønder og arbeidsfolk. Vår velferdsstat er bygget på en idé om å utjevne forskjeller. Arbeiderbevegelsen er den samme. Gjennom hele vår historie har

I Norge kan vi ha en sterk arbeidsinnvandring fordi vi har sterke fagforeninger og et godt organisert arbeidsliv, som kjemper for anstendighet og mot sosial dumping – men bare da. Vi kan ha et arbeidsliv hvor mange bytter jobb, fordi vi har en velferdsstat som kan hjelpe folk til å få nye sjanser dersom de sies opp – men bare da. Og vi kan ha et samfunn hvor det er bra for alle at noen lykkes og tjener gode penger, fordi vi har et skattesystem hvor de med sterkest skuldre også bærer den tyngste børa – men bare da. Likhet krever aktiv politikk. Norge har lenge vært et unntak i en verden av økt ulikhet og høy ledighet, men det vil være historieløst å tro at den særstillingen kan tas for gitt. I land etter land ser vi at økende forskjeller er gift for samfunnet. Sosialdemokrater er mot ulikhet på et politisk og moralsk grunnlag, men advarsler mot ulikhet og urettferdighet kommer nå fra tunge faginstanser uten politisk forankring. I sin siste rapport om ulikhet konkluderer OECD uten forbehold med at økende ulikhet skader langsiktig økonomisk vekst. OECD anslår at økende ulikhet alene reduserte den økonomiske veksten i et gjennomsnittlig OECD-land mellom 1990 og 2010 5 pst. De peker spesielt på at den kraftige økningen i antall ansatte på deltid eller midlertidige kontrakter har bidratt sterkt til økende ulikhet og lavere vekst. OECD er ikke alene om å advare mot økende ulikhet som en del av vår tids største utfordring. Verdensbanken gjør det, World Economic Forum gjør det, og Det internasjonale pengefondet og det britiske magasinet The Economist gjør det. De er ikke sosialdemokratiske tenketanker. Dette er faginstanser som Høyre–Fremskrittsparti-regjeringens statsråder kan lytte til uten å få rødskjær i kinnene. Samstemte analyser og advarsler hjelper likevel ikke stort. De sier de er for små forskjeller, men de fører en politikk som øker den. Og de fjerner motkrefter som var ment å bremse trykket i retning av mer ulikhet, mer sentralisering og mindre anstendighet. Den viktigste endringen, satsingen i budsjett etter budsjett, er såkalt vekstfremmende skattelettelser. Det er et ordspill som villeder. Skattekuttene fremmer ifølge SSB ikke vekst. De virker ifølge SSB ikke effektivt for å bekjempe ledighet. De har minimalt å si for det viktigste for å beholde forskjellene små – arbeid til alle. Derimot er disse lettelsene et kirurgisk presist virkemiddel for å øke forskjellene i inntekt og formue mellom de aller rikeste i Norge og resten. Det er fakta. Det kan leses rett ut av en tabell i statsbudsjettet hvert eneste år. Problemet med regjeringens politikk er derfor ikke først og fremst at den er passiv for å bekjempe forskjeller. Problemet er at den aktivt forsterker Arbeids- og skattepolitikken som øker forskjellene, føyer seg inn i et større bilde der små og store beslutninger fra denne regjeringen trekker i samme retning. Fra ett år til det neste gjør ikke det Norge til et land med store forskjeller mellom folk. Vi blir ikke USA, eller Sverige for den saks skyld, på ett år. Men over flere år med regjeringens politikk setter det likhetslandet Norge på en ny og farlig kurs. Noe viktig ved oss som folk, ett av våre fineste og mest vellykkede trekk som samfunn, svekkes dermed. Og det er det verdt å arbeide mot.

med Fremskrittspartiets representanter har noen ganger sagt det. Så opplevde vi altså på landsmøtet til Fremskrittspartiet i 2013 at statsråd Jensen ikke mindre enn ti ganger sa at den norske modellen står i veien for det norske folk, og på forskjellige måter angriper den norske modellen. Og det er jo den politikken vi nå ser. Som representanten Gahr Støre akkurat var inne på, en fatter vedtak som fører til større forskjeller, og ikke motvirker de kreftene som øker forskjellene, er det helt feil det statsråd Jensen sa i sitt forrige innlegg, da hun sa at lønnsforskjellene i Norge ikke øker. Jo, de gjør det. Statistisk sentralbyrå dokumenterer det. Når det gjelder formuene i Norge, øker forskjellene, og antall sosialhjelpsmottakere i Norge går opp. Det er et faktum som bekrefter det vi har advart mot, i den politikken som regjeringen nå fører. Det er ingen uenighet om at vi trenger økonomisk vekst. Det er uenighet om måten å få til økonomisk vekst på – vi mener faktisk at aktive arbeidstakerorganisasjoner og arbeidstakere med innflytelse i bedriftene er et av våre konkurransefortrinn, vi er derfor veldig skeptisk til dem som reduserer innflytelsen til partene i arbeidslivet. Jo, vi er for økonomisk vekst. Det var jo grunnen til at vi førte en politikk i forrige periode som gjorde at det ble 350 000 nye arbeidsplasser i Norge og to tredjedeler av dem i privat sektor – ikke skapt av regjeringa, men skapt under de rammevilkår som regjeringa la til rette for, i all hovedsak vekst i i privat sektor. Derfor blir tesen om vekstfremmende skattelette så hul, fordi alle faglige råd sier at det ikke virker, at resultatene viser i de land som har prøvd det, at det ikke virker, og at de tallene vi fikk fra Statistisk sentralbyrå i går, viser at sysselsettingen i Norge nå har gått ned med 10 000. Da er det på tide å velge en ny kurs for å ta vare på det norske samfunnet. Jeg må si at det er ganske drøyt når representanten Andersen avslutter sitt innlegg med å si at vi trenger en ny kurs for å ta vare på det norske folk. altså ikke noen uenighet i denne sal om at vi skal ta vare på et samfunn med små forskjeller, men det kan hende at vi er uenige om hvilke virkemidler som skal til for å løse de utfordringene norsk økonomi nå står oppe i. Det er ikke hugget i stein at Arbeiderpartiet er det partiet som har alle svar på de utfordringene Norge det er altså en grunn til at mange ønsket seg et regjeringsskifte i 2013, fordi man mente at etter åtte år med en rød-grønn regjering tok man ikke på alvor de utfordringene norsk næringsliv sto overfor og ville møte i tiden som kommer. Så må jeg si at jeg synes det er helt formidabelt underlig at Arbeiderpartiet nå argumenterer imot mulighetene for Da man med Arbeiderpartiet i spissen la frem grunnlaget for handlingsregelen i 2001, ble det understreket at et av de områdene man nettopp skulle bruke det økte handlingsrommet knyttet til oljepenger på, var vekstfremmende skattelettelser. Det mente i hvert fall Arbeiderpartiet under Jens Stoltenbergs ledelse. Det er veldig vanskelig å få øye på at Arbeiderpartiet mener det samme i dag, men de mente det altså den gang. Når rapport, på rapport, på rapport dokumenterer de dynamiske virkningene av skattereduksjoner, er det ganske bemerkelsesverdig at Arbeiderpartiet hopper fullstendig bukk over de effektene og over de erfaringene vi gjorde oss fra skattereformen i 1992, men jeg skjønner at de debattene som går nå om dagen i forhold til tiltak og virkemidler for å bekjempe arbeidsledigheten, for Arbeiderpartiet først og fremst handler om retorikk og veldig lite om tiltak og virkemidler. Jeg har til gode å se at Arbeiderpartiet har fremmet et eneste forslag av betydning utover det regjeringen allerede har lagt frem, men det de fremmer hver eneste dag, er tom, innholdsløs retorikk, og det mener jeg ikke er verdig i den situasjonen vi står i nå. Nå handler det om å løse de utfordringene vi har på kort sikt, og det handler om å omstille norsk økonomi på lengre sikt. Da må vi evne å bruke flere virkemidler samtidig, og det gjør denne regjeringen.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

Vi har fått økte fødselstall, vi har oppnådd likestilling, og vi har styrket arbeidslinja. Velferdsstaten vår og velferdsordningene våre er blitt til, og blir til, gjennom fellesskapets spleiselag, og de er helt avhengig av å ha legitimitet i folket. Det at folk oppfatter at velferdsordningene er rett og rimelig, at folk oppfatter at alle gjør sin plikt og krever sin rett, det at alle bidrar etter evne og får etter behov, at velferden vår er rettferdig fordelt, at de som skal ha, får, og at ingen misbruker velferdsordningene våre, er en viktig del av samfunnskontrakten. Det norske samfunnet er i konstant endring. Familiemønstre, reisemønstre, mobiliteten er helt annerledes i dag enn det den var da mange av velferdsordningene våre ble til – i en annen tid. Det er derfor viktig at vi hele tiden evner å fornye og tilpasse velferdsordningene våre til dagens utfordringer, nettopp for å sikre at de treffer dem som de skal treffe, best mulig, og ivaretar legitimiteten. De endringene vi vedtar i denne saken i dag, er en slik nødvendig tilpasning, og den er riktig av flere grunner. For det første vil en innstramming av retten til å motta barnetrygd i utlandet bidra positivt til å få ned skolefravær. Det er en av våre store utfordringer framover, som vi bruker mye tid på å snakke om i denne salen. Hvordan skal vi få flere barn gjennom skoleløpet? Langvarig fravær i tidlig alder svekker mulighetene for gjennomføring. Vi vet at dette er et stort problem spesielt i mange av de større byene. Da er det vår plikt som politikere å snu hver stein og bruke de virkemidlene vi har, for å forhindre dette. Langvarig utenlandsopphold når man egentlig skal være på skolen, svekker ikke bare gjennomføringsevnen og læringen, men det virker også integreringshemmende, både for barn i skolealder og også for de ungene som burde gått i barnehagen. Det oppfattes som rett og rimelig at man ikke skal kunne oppholde seg i lange perioder i utlandet og ha med seg trygden. Jeg minner om at Stortinget vedtok en rekke innstramminger for enslige forsørgere i en rekke stønader til livsopphold, i denne sal for nesten nøyaktig et år siden. En slik endring som flertallet i dag vedtar, bringer barnetrygden og reglene for den i samsvar med reglene for andre ytelser, f.eks. reglene om mottak av kontantstøtte ved opphold i utlandet. Således får vi en mer enhetlig praktisering av regler for trygd ved utenlandsopphold, og med gode unntaksordninger er jeg helt sikker på at dette forslaget vi vedtar i dag, vil virke positivt på skolefraværet og på integreringen, men selvfølgelig samtidig at familier fortsatt vil kunne oppholde seg i utlandet i perioder og innenfor det som er normal reisevirksomhet. Forslaget om innstramming i retten til barnetrygd ved utenlandsopphold er

som ba regjeringen om hjelp til å håndtere disse utfordringene, fordi de mente de ikke hadde virkemidler eller eksisterende sanksjonsmidler som kunne være tilfredsstillende med tanke på

Det kan være grunner til at man ønsker å ha et utenlandsopphold, ikke minst for å kunne besøke familie i svangerskapspermisjonen, f.eks. Her endrer man loven slik at barn både i og under skolealder blir rammet. Vi i Kristelig Folkeparti er ikke enig i dette. Det er også høringsinstanser som Kristelig Folkeparti er ikke enig i dette. Det er også høringsinstanser som deler Kristelig Folkepartis syn. Vi mener man bør differensiere mellom barn i skolepliktig alder og under, og ønsker at det skal være en forskjell der. Derfor fremmer vi et mindretallsforslag
Forslaget lyder: «I lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd skal § 4 tredje ledd første og annet punktum lyde: Ved midlertidig fravær fra Norge som ikke varer mer enn tre måneder, regnes barn i skolepliktig alder fortsatt som bosatt her. Ved midlertidig fravær fra Norge som ikke varer mer enn seks måneder, regnes barn under skolepliktig alder fortsatt som bosatt her. Nåværende § 4 tredje ledd annet punktum blir nytt tredje punktum.» Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og

Det synes vi er viktig gjennom hele barndommen, uavhengig av hvor folk bor. Så er det klart at trygdesystemene i Norge må virke sånn at det bygger opp under resten av tanken rundt velferden og fellesskapsløsningene i Norge. SV er helt enig i at det er viktig å sikre i grunnskole, og ha en innretning på trygdesystemene som bygger opp under nettopp det. Langvarig fravær fra skolegang er uheldig, både når det gjelder det å ramle ut av fellesskapet i skolen, og ikke minst bli hengende etter faglig. Men det vi har vanskelig med å forstå,

år. Det handler om at et så rigid system vil kunne få noen utilsiktede konsekvenser. La meg gi noen eksempler. Vi vet at kjærlighet over landegrensene kan være krevende. Jeg har selv en venninne som har fått barn med en mann fra Tunisia, og som har store problemer med å få forent pappaen med sitt barn og å kunne leve sammen som familie, fordi det er vanskelig å få den man elsker fra Tunisia til Norge. Hvis det hadde vært mulig å reise til Tunisia, kunne man vært der i barselperioden, man kunne vært der i permisjonstiden, for at familien skulle være i lag. I et sånt eksempel synes jeg det er urimelig at staten skal kutte Et annet eksempel kan være at man har veldig lang reisevei for å besøke familien. Alle vet at det er krevende å reise med små unger, og at det kan være lettere å være på samme sted over tid. Etter mitt syn er det urimelig å skulle ha et så firkantet regelverk at hvis man krysser over en tremånedersgrense, skal man tape barnetrygd – når man har klart å spare opp til en slik tur. Vi må huske på hva barnetrygd er: å sikre forsørgelse av og sikre nødvendigheter for ungene. SV støtter Kristelig Folkepartis forslag. Vi synes det er et veldig konstruktivt forslag. Vi synes det har en klok inngang og er en naturlig grense å sette, fordi det handler om argumentasjonen som komiteen legger opp til, at man skal hindre fravær fra skolegang, men samtidig sikre unger de nødvendighetene barnetrygden skal gi. Vi vil stemme for Kristelig Folkepartis forslag og mot I. Foreldre kan i dag motta barnetrygd ved utenlandsopphold som ikke er

barn. Utenlandsopphold kan være positivt, men for enkelte barn kan en utflytting fra kjente omgivelser samt returen til norsk skole være problematisk. Det er ikke et stort antall barn dette gjelder, men for de barna det gjelder, kan det være alvorlig. De positive virkningene av det foreslåtte tiltaket, nemlig integrering av barn, veier tyngre enn ulempene for dem som måtte berøres økonomisk av en slik innstramming. Forslaget om en grense på tre måneder sammenfaller også med grensen for rett til kontantstøtte ved utenlandsopphold, som er på tre måneder. La meg understreke at det i utgangspunktet er helt uproblematisk at foreldre tar med seg barna sine på lengre turer i utlandet. Det kan gi spennende og nye opplevelser for familien, og familier står fritt til å organisere sitt liv som de ønsker.

La meg understreke at det er altså ikke sånn at man fratar foreldrene barnetrygd her nå, de har fremdeles muligheten til å kunne være på besøk i utlandet i tre måneder før denne regelen trer i kraft. I enkelte familier ser vi at utenlandsopphold kan få uheldige konsekvenser for barna. Det er vanskelig å bli skilt fra venner og kjente omgivelser, det kan være vanskelig for barn som er tatt vekk fra sitt vante miljø, å komme tilbake igjen, og barna får også et avbrudd i en læringsprosess. Komiteens representant fra Kristelig Folkeparti har foreslått at innstrammingen bare skal gjelde for barn i skolepliktig alder. Regjeringen foreslår derimot én felles regel for alle, fordi lange utenlandsopphold også kan være problematiske for barn som ikke har begynt på skolen.

som ligger til grunn for at man ikke ønsker å differensiere mellom barn i skolepliktig alder og barn under skolepliktig alder? Jeg understreket vel i mitt innlegg at barnehage er en ganske viktig arena for integrering og barnehage er en ganske viktig arena for integrering og særlig for språkutvikling, og det er viktig å prøve å forhindre langvarig fravær fra barnehage. Så er det slik at familiene, før barna har begynt på skolen – og også etter at de har begynt på skolen – fremdeles har mulighet til å kunne være på et langvarig utenlandsopphold, i tre måneder. Og det er viktig for oss at denne regelen også gjelder for barnehage. Vi vet hvilken viktig arena barnehagen er, og ikke minst får en det likt med andre regelverk. Det er også lettere å praktisere, og det gir mindre ekstraarbeid i forvaltningen når en har en lik ordning. I Norge er det slik at det å bruke barnehage forstår jeg veldig godt har med integrering å gjøre. Det er svært viktig at barn ikke blir for lenge borte fra skolen, men man må jo bruke de argumentene som er viktige i forhold til hva denne saken har som utgangspunkt, og utgangspunktet var en henvendelse fra Drammen kommune og Oslo kommune, som ønsket virkemidler for å forhindre langvarig fravær. Så igjen: Har man i det hele tatt bruke de argumentene som er viktige i forhold til hva denne saken har som utgangspunkt, og utgangspunktet var en henvendelse fra Drammen kommune og Oslo kommune, som ønsket virkemidler for å forhindre langvarig fravær. Så igjen: Har man i det hele tatt brukt tid på å vurdere om det går an å differensiere? Det er veldig lite omtalt. Det er riktig som representanten hevder her, at dette har kommet på bakgrunn av en henvendelse fra Oslo kommune opp mot skole, men da vi vurderte denne saken og sendte den ut på høring, valgte vi å ta med de barna som går i barnehage, arbeidet. Det var også det som ble resultatet da vi fremmet denne saken. Så er det viktig for oss å ha et likt regelverk, men hensynet i denne saken er at barnehage er også en viktig arena, det er viktig for språkutviklingen til barna, og vi mener at det har vært rett å ha en ens regel for de barna som går i barnehagen, og

til barn som er i skulepliktig alder. Vi er ueinige i den argumentasjonen som kjem frå statsråden her, og viser til at når ein har fått spørsmål frå kommunar, som òg er omtalt i innstillinga, bl.a. Oslo kommune og Drammen kommune, har dei bedt regjeringa om hjelp til å avgrensa langvarig skulefråvær. Eg har ikkje fått med meg at det er nokon som har tatt til orde for behovet for ei slik endring ut frå at barnehagebarn er vekke ein liten eller lengre periode, så vi kjem til å støtta Kristeleg Folkeparti sitt forslag i saka. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 4. Etter ønske fra familie- og kulturkomiteen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

og et resultat som har latt seg konkretisere i hele elleve felles forslag fra en samlet komité. Det har vært en felles erkjennelse at det er behov for flere fosterhjem og flere typer fosterhjem, og at det er mange ting rundt det som det må tas grep om. De felles forslagene dreier seg om en bekymring knyttet til bruken av tvang innenfor barnevern og fosterhjemsomsorg at det trengs oppfølging av barn som har begått overgrep, barn med traumer eller som har vært utsatt for overgrep

utfordrer regjeringen til å sikre likeverdige økonomiske rammevilkår for fosterforeldre i kommunale fosterhjem forholdet rundt fosterforeldres pensjonsvilkår, og frikjøp i forbindelse med barns ekstra behov for oppfølging at regjeringa bes foreta en full gjennomgang av fosterhjemskontraktene for å gi større forutsigbarhet, også for å bedre rettighetene for fosterforeldrene og få en bedre formell tilknytning for

Arbeidet med stortingsmeldinga, som saksordfører, har vist at meldinga ikke leverer det vi etterlyste for en bedre fosterhjemsomsorg, og behandlingen i komiteen har bekreftet behovet for en egen offentlig utredning og en helhetlig gjennomgang av fosterhjemsomsorgen, akkurat som representantene Breivik, Rotevatn og Raja fra Venstre foreslo, et forslag som hadde bred støtte i fagmiljøene, men som dessverre ikke ble vedtatt her i Stortinget. Arbeiderpartiet fremmer dette på nytt, for vi ser at det fremdeles mangler mye. Rekruttering av mange nok, egnede, riktige og varige fosterhjem er ifølge regjeringa utfordrende. Her er vi enige. Samtidig beskrives det at ventetida for plassering av barn øker. Når vi som samfunn faktisk ønsker en utvikling der fosterhjem foretrekkes framfor institusjonsplasser, tilsier det at Da trengs en helhetlig tilnærming og faktisk en reell vilje til å senke terskler der det butter imot. I regjeringas stortingsmelding om integreringspolitikk bekreftes inntrykket ytterligere. Det beskrives som vanskelig å finne mange nok egnede hjem som kan ta imot enslige mindreårige. Behovet for trygge og stabile omsorgspersoner for disse barna er åpenbart. Det er flere ting som bør sees på, og som er grunner til at rekruttering eller det å beholde fosterhjem kan være vanskelig – som f.eks. det å kombinere trygdeytelser og fosterhjem. Gjennom forslagene nr. 1 og 2 ønsker Arbeiderpartiet sammen med Kristelig Folkeparti å få gjennomgått regelverket for fosterforeldre som blir uføretrygdet eller får arbeidsavklaringspenger. Kjøp av fosterhjem fra private leverandører har økt betraktelig de siste årene. Regjeringen beskriver at det Regjeringen beskriver at det har ført til en kraftig kostnadsvekst i det statlige barnevernet. Vi ønsker derfor å få framlagt retningslinjer for kvalitetssikring, kontroll og begrensninger av uttak for private aktører. Gjennom forslagene nr. 3 og 4 ønsker Arbeiderpartiet å imøtekomme to sentrale krav fra Fosterhjemsforeningen, nemlig en gjennomgang av ankemulighetene for biologiske foreldre ved omsorgsovertakelse og en gjennomgang av fosterforeldres partsrettigheter begge deler for å sikre stabilitet og forutsigbarhet, og ikke minst ro, omkring ungene. Mange barn og unge i Norge opplever en oppvekst og en hverdag der de nærmeste svikter eller ikke strekker til. For hvert av disse barna er det viktig at samfunnet stiller opp, tar ansvar og sammen med den enkelte bidrar til å skape trygghet i Vi har også et ansvar for at de biologiske foreldrene får den oppfølgingen som trengs, for også de opplever de vanskelige dagene og har tøffe tak under en omsorgsovertakelse. Vi må klare å se helheten og finne de gode løsningene, først og fremst for ungene. Et nytt, trygt og omsorgsfullt hjem gjennom fosterhjemsordningen er blitt tilbudet til mange barn og unge som trenger Nettopp derfor er det så viktig å bidra til at barn som gis et nytt hjem, opplever stabilitet og voksne som gir dem en oppvekst på linje med den de ville gitt sine egne, biologiske unger. For å sikre det må ungene så langt som råd involveres i planleggingen av overgangen til nytt hjem. Fosterforeldrene må forberedes godt, og de må gis tilstrekkelige oppfølgings- og veiledningstilbud etter faktisk å ha blitt et fosterhjem. Det har vært et stort engasjement fra mange organisasjoner og enkeltpersoner rundt fosterhjemsmeldinga, og mange av innspillene har dreid seg om at meldinga som er lagt fram, er mangelfull. Barn og unge med erfaring fra barnevern og fosterhjem har gjennomgående etterlyst bruk av deres kunnskap og barns medvirkning. De samme barna gir også uttrykk for unødvendig sykeliggjøring og at det er lett å føle seg som en vare det forhandles om. Det er ofte krevende i en forhandling mellom barnevern og fosterhjem å føle seg som en vare. Derfor må vi lytte til dem – de har den erfaringen som behøves. En skal sjølsagt være forsiktig med å være skråsikker og stå her og si at vi har alle svarene her nå. Det har vi ikke, og det er helt sikkert mange andre ting vi burde ha sett på, og som vi skulle ha sett på. Men noe jeg er sikker på, er at unger som forteller om den gode opplevelsen i sin fosterhjemshverdag, og tilfredse fosterforeldre vil være samfunnets beste rekrutteringsstrategi. For å sikre mange av de gode beskrivelsene framover må både fosterbarn og fosterforeldre i større grad tas med på råd når prosessene, rammene og vilkårene utvikles.

Vi veit at det vil kosta pengar, og vi veit det vil kosta tid, som vi kanskje skulle brukt litt annleis. Då er mitt spørsmål: Kva er det denne meldinga manglar, og kva er det viktigast for Arbeidarpartiet at ei NOU skal innehalda? For det første vil en NOU være et nøytralt grunnlag å vurdere ting på, og innspill vil også kunne Jeg tror f.eks. vi hadde kunnet behandle rammevilkårene bedre der. De er nevnt i meldinga, men det er ikke konkludert der. Det er skjøvet på. Det er gode beskrivelser i meldinga, men det er skjøvet på mange av utfordringene vi ser, spesielt når det gjelder rammevilkår, og spesielt når det gjelder det økonomiske som ligger der. Jeg vil også tro at hele feltet hadde hatt større tiltro til en NOU som ikke er en politisk initiert melding, men et nøytralt grunnlag. I tillegg tror jeg også at vi har tid. Da vi sist behandlet saken i Stortinget, var det ikke det man ønsket. Man ønsket en konkret og grundig gjennomgang av feltet, slik at man fikk stabilitet, gode rutiner og gode forslag som kunne løse de problemene vi har i tilknytning til rekruttering. Som Mandt som saksordfører sa, har det vært godt samarbeid i denne saken, og det er

en NOU er tilbake i regjeringen, og så skal det være stortingsbehandling. For at den skal se en helhet, må flere av de tingene som vi nå spiller inn og har flertall for, spilles inn som et mandat til NOU-en, ellers blir ting ikke sett i sammenheng. Er det ikke litt tragisk at vi skal utsette dette i flere år, istedenfor å sette i gang tiltakene nå for de barna som venter på oss?

Jeg er ikke så redd for at de tiltakene som vi nå har foreslått og skal vedta, ikke blir iverksatt, for det forventer jeg blir gjort. Parallelt med det vil en NOU kanskje kunne avdekke andre ting vi kunne fått til, slik at vi kunne fått enda bedre fosterhjemsomsorg i framtida. Det som bekymrer meg nå, er at vi ikke har en helhetlig tilnærming til feltet.

familier som ikke lenger kan ta vare på det mest dyrebare, familier som aldri har hatt det i seg å ta vare på barn, familier med vonde og slemme hemmeligheter. Det aller mest fantastiske som finnes, er familier som har hjerterom til én eller flere til, familier som åpner dørene sine og gir kjærlighet til dem som har mistet alt, eller – enda verre – aldri har fått oppleve kjærlighet og godt familieliv. Det som er vår jobb som politikere – slik jeg ser det – er å lage systemer som støtter opp om familier og forhindrer eller avdekker det første jeg nevnte, og gjøre det vi kan for å finne de familiene som har ekstra plass i hjertene sine til en eller flere ekstra når vi trenger det. Derfor er denne fosterhjemsmeldingen så viktig. Vi vet at køene er for lange. Barn lever livet sitt her og nå, et år – som for oss voksne flyr av gårde – inneholder flere milepæler for et barn. De har ikke tid til å stå i kø, de har en barndom de skal fortsette på. Meldingen tar derfor opp rekruttering som et viktig spørsmål. Komiteen har akkurat vært i Bergen og hørt om hvor viktig familieråd er for å rekruttere nye hjem i barnas omgangskrets. Det å få et fosterbarn kan virke litt skummelt, men når det er det barnet en har hatt på dansekurs, kan det være at det er litt enklere å se for seg. Familieråd foreslås gjort obligatorisk. Det foreslås også å flytte rekruttering til kommunene. Dette må naturligvis ses i sammenheng med andre reformer, men å få samme instans til å se barnas liv i sammenheng – fra det blir gjort vedtak om at de ikke kan bo i familien sin, til rekruttering, matching og oppfølging av den nye familien – må være til barnets beste. Barnevernsproffenes råd til oss er at vi må finne fosterforeldre som er glad i barn, og kan vise dem kjærlighet. De ber også om fosterforeldre som vil samarbeide med dem helt fra barna er små. Dette er tøffe krav, men egentlig også krav som burde være et minimum av det vi kan klare. I tillegg er det et poeng at det nye hjemmet har fått god opplæring og følges godt opp, slik at vi forhindrer brudd. Det foreslås i meldingen å oppgradere opplæringen og lovfeste den. God opplæring er grunnleggende for fosterforeldre. Det å finne seg en ny kjole er vanskelig. Den skal passe til anledningen, den skal passe deg, den skal ha riktig farge, den skal ha riktig størrelse. Å finne en ny kjole kan ikke sammenlignes med å finne riktig fosterhjem til et barn, men gang opp viktigheten av at det gjøres riktig, og betydningen valget har for menneskers liv, med en liten uendelighet – og en får en antydning om hva barnevernet står med av ansvar i denne situasjonen. Derfor er det å samle ansvar en riktig vei å gå. Det samme er å se på nasjonale kartleggingsverktøy og muligheten for å bruke institusjon til utredning. I tillegg er det viktig med høyt kvalifisert personell i barnevernet, som ikke er redde for å benytte seg av kompetanse utenfor sin egen avdeling når det er nødvendig. Meldingen har et eget kapittel om de økonomiske betingelsene til fosterhjemmene. Det bør være slik at en ikke skal tjene på å åpne hjemmet sitt for et barn til, men det bør heller ikke gå ut over familieøkonomien. Det må være fleksibilitet, for hver familie er forskjellig, samtidig som fosterforeldrene ikke skal behøve å stå med lua i hånda når de møter til forhandlingene. Dette er vanskelige avveininger. Høyre stiller seg bak meldingen, som ikke ønsker mer statliggjøring, samtidig som vi velger å støtte flere utredningspunkter for større likebehandling og pensjon. Noe av det som har gjort størst inntrykk på meg i denne perioden, er møtet mitt med barn og unge som har opplevd mer i sine unge liv enn godt er. Spesielt husker jeg lille Odin. Han var bare seks år og skulle fortelle oss hvordan han savnet søsknene sine. Han torde ikke gå opp på det store podiet, så han snakket gjennom en annen, fra siden på scenen. Men på slutten fikk jeg lov til å møte lille Odin. Han ga meg en klem – som var en god klem – og han ga meg en liten perle som han lekte med. Den har jeg hengt opp på kontoret – for alltid å huske det viktigste når vi tar beslutningene våre. For uansett verktøy, dyktige ansatte, samtaler med barn, opplæring av fosterforeldre, oppfølging og økonomiske rammebetingelser er det alltid dette lille ekstra som må til, det som ikke lar seg forklare, det som gjør at barn endelig kan senke skuldrene og fortsette med barndommen. Det er litt magisk, ikke veldig juridisk, men lett gjenkjennelig – det er kjærlighet. Det blir replikkordskifte.
som så fram til at regjeringen skulle legge fram denne fosterhjemsmeldingen, og at vi skulle få en skikkelig gjennomgang av forholdene. Vi skulle få tiltak som kunne øke stabiliteten, tryggheten og medvirkningen for ungene, og bedre rammevilkårene for foreldrene. Meldingen svarer på ingen måte til de forventningene noen av oss hadde. Men Stortinget har nok en gang, som Stortinget også har gjort i forbindelse med likestillingsmeldingen og barnehagemeldingen, gjort ikke gjør den, og kommet med en rekke ‒ over elleve ‒ forslag som svarer på de utfordringene vi vet vi står overfor. Hva synes representanten Tønder om at meldingen regjeringen la fram, ble dårlig mottatt av høringsinstansene ‒ at den var for tynn? Er representanten enig i at den jobben stortingsflertallet nå har gjort, bedrer situasjon for fosterhjem og fosterforeldre?

den gode jobben vi gjør her på Stortinget, kommer istedenfor ‒ jeg mener det kommer i tillegg til. Det er fordi jeg har tiltro til det demokratiet som sitter her, og at vi faktisk kommer frem til enighet. Det har vi gjort i denne saken. Det er det som er så flott. Her har vi sittet sammen, vi har hørt på høringsinstansene, og vi er blitt enige om flere forslag, som vi kommer til å stemme for, alle sammen. Men Arbeiderpartiet vil allikevel stoppe, trenere, gå tilbake og vente. Det er jeg uenig i. Da komiteen hadde høring om denne meldingen, var alle høringsinstansene enige om at denne meldingen på ingen måte svarte til de forventningene folk der ute hadde. Den svarer ikke på de utfordringene vi står overfor på noen som helst god måte.

og jobber med meldingen. Så er jeg uenig i den virkelighetsbeskrivelsen som representanten fremlegger. Jeg mener vi fikk et svært godt utgangspunkt, som vi har jobbet godt med, og som har blitt enda bedre. Så er det rart – dersom vi var så fryktelig uenige – at nesten alle merknadene er komitemerknader i innstillingen som nå ligger på bordet. Replikkordskiftet er over. I dag behandlar vi fosterheimsmeldinga. Det er gledeleg at vi alle i komiteen viser med våre merknader at vi har vilje til

at alle dei fantastiske menneska som ønskjer å hjelpa ved å vera fosterheim, får tilstrekkeleg opplæring og oppfølging. Sjølv om foreldra sviktar barna, skal ikkje vi som samfunn svikta dei. Når så galt likevel skjer, at barn ikkje kan bu med sine foreldre, står det aller viktigaste for tur, nemlig det å finna det beste omsorgstilbodet for barna, og i dei fleste tilfella er det Då er det svært viktig at vi får ein heim som passar det enkelte barnet. Ein skal vurdera familie og nettverk først, og her vil eg rosa statsråden, som på både inn- og utpust har vore ein stor pådrivar for at nettopp dette skal vera førsteprioritet når ein leitar etter fosterheim. Som ein sa til meg på eit barnevernskontor som eg nyleg besøkte: Det er dagens regjering og statsrådens tydelege meining om nettverk og familie som pustar meg i nakken når eg skal finna fosterheim. Fosterheimsforskriftas § 4 er jo ikkje ei ny forskrift, men det har ikkje vore tatt tak nok i at det er dette som skal vera gjeldande. Når vi veit at det i nokre kommunar faktisk berre er 25 pst. – ja, knapt nok det – av familie og nettverk som blir brukt som fosterheim, mens det i andre kommunar er opp mot 75 pst., har vi ei utfordring.

opplever dei at dei blir høyrde? Det er det vesentlege. Der har vi ei lita utfordring som vi må jobba med. Det må òg bli tenkt grundig over flytting av barn langt vekk frå kommunen deira og heimplassen deira, av omsyn både til barnet og til dei som har rett på samvær. Når ein høyrer om barnevernstilsette og familiar som reiser mange mil for å ha eit samvær på berre to timar, er det lite fornuft og altfor stor bruk av ressursar.

og må bli i fokus – måten ein rekrutterer på og ikkje minst kva for ein fosterheim ein rekrutterer. Samfunnet er heile tida i endring, det er faktisk også familiane. Mange ulike menneske både kan og har vilje til å vera fosterheim, men mange tør ikkje ta steget fullt ut. Difor må terskelen for å få fatt i dei beste fosterheimane vera svært Det må ikkje vera avgjerande om ein har litt støv i krokane eller ikkje har eit fullt ut fancy nok bad. Difor er eg glad for at regjeringa ønskjer å sjå nærmare på ansvarsfordelinga på fosterheimsområdet, bl.a. ansvaret for rekruttering. Ein vil innføra plikt til å vurdera bruk av familieråd, andre verktøy eller metodar for nettverkskartlegging når barn treng fosterheim. Kanskje kan vi ein gong der framme kan vi ein gong der framme få til ei skikkeleg digital ordning, der barn og fosterheim matchar frå dag éin, og ein får den beste heimen for det enkelte barnet. Opplæringa til fosterforeldra må vera den aller beste. Opplæring i forkant av innflytting av barnet samt rettleiing undervegs må bli betre enn i dag. Mange etterlyser òg meir gruppeundervisning, der fosterforeldre kan samlast og dra nytte av kvarandre. Eg er glad for Eg er glad for einigheita i komiteen på mange område, og vi òg støttar ein god del av forslaga. Dette er for å koma vidare, og eg er heilt sikker på at regjeringa vil gjera sitt beste for at vi skal få ei god fosterheimsordning i framtida, til det beste for alle ungane som treng det, og familiane deira. Det blir replikkordskifte. Det var fortsatt mye igjen av taletiden, så jeg tenkte det var litt tid til å tenke seg om – men Representanten Reiertsen har i sitt innlegg brukt tid på å rose den enigheten som har oppstått i Stortinget, og det er gledelig. Når det gjelder likestillingsmeldingen, har vi måttet gjøre det i tre omganger, vi holder på med barnehagemeldingen. Når det gjelder fosterhjemsmeldingen, har regjeringen lagt fram en melding som er forholdsvis god på beskrivelse, men som nesten ikke inneholder tiltak i det hele tatt. Det var jo en unison tilbakemelding fra høringsinstansene da de var på høring i komiteen, og også fra en samlet opposisjon her på Stortinget, om at her var det svært mangelfullt, til tross for at Fremskrittspartiet før valget og i forrige periode snakket seg god og varm om behovet for både mer trygghet for fosterhjemsbarna og mer stabilitet og oppfølging for fosterhjemsforeldrene. Likevel var den altså svært mangelfullt. Var det pinlig for representanten Reiertsen å være vitne til høringens unisone tilbakemelding om at denne meldingen var mangelfull? Nei, eg vil ikkje bruka ordet opp og ned her i livet uansett kva for saker dei omhandlar, men vi tar jo med oss det som har kome tilbake til oss. Men vi har òg fått mange positive tilbakemeldingar, og om det ikkje var konkret på høyringa, var det ad omvegar, og det er vi svært glade for. Så er vi fullstendig klar over at vi har ei mindretalsregjering, og demokratiet rår. Men når eg no ser på merknader som er levert av både regjeringspartia og opposisjonen, synest eg det er veldig godt og regjeringspartia og opposisjonen, synest eg det er veldig godt og kjekt å sjå at vi kan dra i den same retninga på mange, mange gode område. Ja, og det er hyggelig at vi har kommet fram til enighet om en rekke punkter, men den jobben kunne vi altså ha unngått hvis regjeringspartiene hadde lyttet til et samlet fagfelt i forkant av meldingen. Og tilbakemeldingen har jo vært veldig tydelig: for det første at her trenger vi

drar oss i en veldig riktig retning. Så jeg er veldig glad for det arbeidet som er blitt gjort i komiteen, og jeg håper også at oppfølgingen av denne saken, av denne stortingsmeldingen, får den oppmerksomheten – også politisk – som den fortjener. Fosterhjem er på mange måter noe av det fineste ved Det handler om at vi som samfunn sier at alle barn skal ha et trygt hjem. Alle barn skal ha en trygg og god oppvekst. Og så er det noen enkeltmennesker, par, familier, som frivillig melder seg til innsats for fellesskapet, og som er med på å ta ansvar for å ta vare på barna våre. Det er rett og slett veldig fint og veldig viktig. Jeg vil derfor begynne innlegget mitt med å rette en stor takk – og det kommer fra dypet av mitt KrF-hjerte – til alle dem som stiller opp og stiller hjemmene sine til disposisjon for barn som trenger det, barn og unge som ikke lenger kan bo sammen Fosterforeldrene praktiserer nestekjærlighet i praksis, og de viser det fineste ved velferdssamfunnet vårt. Derfor har det vært så viktig at Stortinget gir klar beskjed om at det er på tide å bedre rammevilkårene for fosterhjemmene nå. Ja, det er viktig med bedre oppfølging og veiledning, men det er også avgjørende med økonomiske godtgjørelser, ordentlige rammevilkår, gode kontrakter og avlastning og frikjøp når det er behov for det. Hverdagen må gå rundt, også for dem som ønsker å gjøre denne viktige samfunnsinnsatsen. Derfor er Kristelig Folkeparti glad for at komiteen enstemmig innstiller: «Stortinget ber regjeringen fremme forslag for Stortinget som sikrer likeverdige økonomiske rammevilkår for fosterforeldre i kommunale fosterhjem.» Det er kjempeviktig. Det er så store forskjeller i dag at det kan vi ikke sitte stille og se på. Videre står det: «Stortinget ber regjeringen utrede fosterforeldres pensjonsvilkår med siktemål om at fosterforeldre ikke skal tape på å være frikjøpt på grunn av barnets ekstra behov for omsorg og oppfølging.» Det er også viktig, for dette har vært en uavklart problemstilling i lang, lang tid.

Dette er første gang Stortinget har en fosterhjemsmelding til behandling. Aldri før har vi fått en melding om dette temaet alene til drøfting her i Stortinget. Så jeg har lyst til å takke regjeringen, takke statsråd Horne, for at denne meldingen er utarbeidet. Jeg vil også takke Venstre, som egentlig var de som først og fremst

Det er viktig, og det er helt rett, at vi også har barnehageplass og andre rettigheter, men ingenting er så viktig og så grunnleggende som det å ha et godt hjem. Og det er så grunnleggende feil at barn står i kø og venter på en riktig match – vi som myndigheter må klare å sørge for at barna får et hjem når de trenger det. Rekruttering av flere fosterhjem arbeides det bra med av mange i dag, men vi vet at innsatsen her må økes. For det andre: Stabilitet og færre utilsiktede flyttinger har vært et tema her på Stortinget også, fordi behovet for stabilitet er helt fundamentalt, spesielt for barn og unge. Når myndighetene gjennomfører en omsorgsovertakelse, tar de på seg et stort ansvar for å gi god omsorg og en bedre tilværelse for barnet. Det innebærer en tilværelse preget av stabilitet, trygghet og tilknytning til de nye omsorgspersonene. En av de store utfordringene barnevernet står overfor, er at barnevernsbarn flytter for mye. Vi vet at faktorer som kan bidra til stabilitet, er å bo i fosterhjem i slekten, å bo sammen med søsken og tverrfaglig støtte til fosterhjemmet, og en samlet komité peker på at dette er avgjørende kunnskap som vi er nødt til å ta med oss i arbeidet videre. Kristelig Folkeparti mener at økt bruk av familieråd og barnets slekt og storfamilie som fosterhjem er viktig. Rekruttering fra nære nettverk har økt betydelig de siste årene, og at et flertall av dem som har deltatt i familieråd, har positive erfaringer med det, skal vi legge vekt på. Samtidig vet vi at fosterforeldrene i slekten ofte har mange utfordringer, og at de ofte får mindre oppfølging og godtgjøring enn andre fosterforeldre. Derfor er vi opptatt av å understreke at opplæring og veiledning for slektsfosterforeldre må styrkes. Vi må ha en kritisk vurdering av kriteriene for flytting fra ett fosterhjem til et annet. Det kommer mange signaler om at barnevernet har for lav terskel for å ta barn ut av et fosterhjem og starte på nytt hvis fosterhjemmet ikke fungerer optimalt. Det må vurderes om ankemulighetene for biologiske foreldre etter omsorgsovertakelse har blitt for sterke, og hvorvidt dette skaper ustabilitet for barna.

Så vil jeg løfte spesielt fram at en samlet komité i innstillingen understreker at nasjonale myndigheter må sikre at fosterfamilier med barn med funksjonsnedsettelser opplever at hjelpeapparatet rundt dem fungerer. Slik det er i dag, opplever familier at de ulike offentlige instansene skyver ansvaret over på hverandre når det gjelder finansiering og tjenester. Noen har gode avtaler, andre får ikke gode avtaler. Noen får pensjon, andre får ikke. Noen har kommuner som greier å betale ombygging av hjemmet, de fleste har det ikke. Det oppleves som tilfeldig om man blir verdsatt som fosterforeldre, og barna får ikke like vilkår og helhetlig ivaretakelse fra det offentlige. Kristelig Folkeparti mener at fosterforeldre skal slippe å måtte bruke energien sin på å kjempe mot systemer som ikke fungerer. Familier som tar på seg ansvar for barn med funksjonsnedsettelser, må sikres finansiering av nødvendig praktisk tilrettelegging, avlastning, lønn gradert etter innsats, pensjonsopptjening, sykelønnsordninger og forsikringer, og det må sikres at de møter god, koordinert tilrettelegging fra det offentliges side. Vi er glad for at Stortinget i dag gjør dette vedtaket: Stortinget i dag gjør dette vedtaket: «Stortinget ber regjeringen sikre fosterfamilier med barn med funksjonsnedsettelser trygge og forutsigbare rammevilkår og god og koordinert tilrettelegging.» Vi ser virkelig fram til en god oppfølging av dette fra regjeringens side. Det er som sagt en viktig melding, og vi vet at vi må styrke innsatsen for å kunne få rekruttert flere I disse dager hvor vi også har sett at det har kommet mange enslige, mindreårige asylsøkere, viser det at dette behovet er stort, og vi må også sikre at disse barna kan oppleve det å ha et trygt og godt hjem å vokse opp i. Jeg håper virkelig at det vi gjør i Stortinget i dag, kan hjelpe oss et skritt videre.

om dette. For oss er det viktig at ei slik overføring av ansvar fører til overføring av auka ressursar og òg til den nødvendige kompetansehevinga. Senterpartiet er kritisk til den store marknadsrettinga og kommersialiseringa som er skjedd på barnevernsområdet. Vi støttar forslaget i innstillinga om å leggja fram retningslinjer for kvalitetssikring, kontroll og avgrensingar av uttak for Vi meiner òg det er ein mangel ved meldinga at kommersialiseringa i liten grad vert tatt opp, og når ho vert det, opnar regjeringa for enda større private kommersielle innslag. Senterpartiet ber om – og fremjar forslag om – at det ikkje vert opna for ytterlegare private kommersielle aktørar som skal kunna rekruttera fosterheim. Vi veit at det er mange private i dag. Vi meiner ikkje at dei ikkje skal kunne gjera det, men vi ønskjer ikkje ei slik utvikling at det skal leggjast til rette for Vi foreslår å sikra at saksbehandlings-/utgreiingstenester, fosterheim og oppfølgingstenester i all hovudsak som eit mål skal utførast av tilsette i kommunane og Bufetat som har myndigheitsansvaret, og ikkje gjennom private kommersielle aktørar. Det er viktig at barna skal få ei så god og ryddig saksbehandling som mogleg, at dei som har ansvaret for tenestene, utfører ikkje vert strekte. Ved eventuell innføring av nasjonale kartleggingssystem må det sikrast at kvart barn får individuell og fagleg vurdering. Senterpartiet meiner at barnas beste skal vera det overordna omsynet ved val av tiltak, og det er viktig at barnevernet kjem tidleg inn med hjelp til familiar, slik at ein unngår unødvendige omsorgsovertakingar. Vi meiner det er sterkt bekymringsfullt at seks av ti barn i fosterheim i dag ikkje får bu saman med søskena sine. Vi veit at nokre søsken ikkje er tilrådd å bu i lag, men det er unntaket. Vi trur det er for mange søsken som ikkje får bu i lag, og at det er til skade. Vi meiner at familie og nettverk alltid skal vurderast først ved omsorgsovertaking, og at søsken, så lenge det er til det beste, altså skal få bu i lag. Vi fremjar forslag for å styrkja dette med familie og nettverk, bl.a. at ein må vurdera ei lovfesting av at inga omsorgsovertaking skal verta vedtatt utan at barnets eigen familie eller nære nettverk er vurdert, og at det i forskrift vert bestemt at det i saksframstillinga eller på annan eigna måte vert synleggjort at dette er vurdert før vedtaket vart fatta. Vi veit at i dag er det ikkje ein slik praksis. Fylkesmannen må i tilsynet sitt med barnevernstenester undersøkja spesifikt om familie og nære nettverk er vurdert i alle omsorgsovertakingar. Og Og opp mot søsken igjen er det viktig at ein legg betre til rette for fosterfamiliar som tar imot søsken. Vi meiner at fosterheimsfamiliar må sikrast stabile og likeverdige økonomiske rammer, god opplæring, rettleiing og oppfølging, og støttar forslag som vert fremja om dette i dag. Barn og unge i barnevernet er blant samfunnets mest sårbare og opplever oftare enn andre barn psykisk sjukdom.

betre oppfølging. Alle bør som eit utgangspunkt få rettleiing og tilbod om ettervern. Det må verta enklare å få forlengt fosterheimopphaldet etter fylte 18 år, og ein må sikra at fleire får eit godt tilbod om ettervern fram til fylte 23 år, som lova er i dag. Vi kjem under avstemminga til å støtta alle romertalsvedtaka i innstillinga, og eg er glad ein kan ha såpass brei politisk semje om viktige ting. Vi kjem òg til å støtta mindretalsforslaga frå Arbeidarpartiet og Kristeleg Folkeparti i innstillinga, og vi kjem til å støtta forslaga nr. 6 og 12, frå Venstre. Så har Senterpartiet fremja forslag som er omdelte i salen, og Så har Senterpartiet fremja forslag som er omdelte i salen, og eg har nokre kommentarar til våre eigne forslag. Som eg har fått melding om, vil iallfall nokre av dei kunna få fleirtal, og det er eg veldig glad for. I forslag nr. 18

ein urett vi gjer mot mange barn innanfor barnevernet at dei har psykiske vanskar og problem, kanskje til dels rusproblem, som ikkje vert behandla og oppdaga på same måte som hos barn som ikkje er i barnevernsomsorg. Dei får eit heilt anna tilbod, fryktar eg, og eit manglande tilbod. Det må

ein del av forklaringa på uhelse seinare i livet. Dette er veldig viktig, så forslag nr. 17 hadde eg likt fekk fleirtal. Da antar presidenten at representanten intenderte å ta opp de forslagene hun refererte til? Ja. Da er det gjort. Presidenten skal replisere at forslagene er levert etter fristen, og

Ei fri verd er kjenneteikna av rettferd, likeverd og like moglegheiter for alle. Frie samfunn har stabile og sterke fellesskapsinstitusjonar og eit godt tryggleiksnett for alle. For Venstre, som er eit sosialliberalt parti, er dette det verdimessige utgangspunktet for det sterke engasjementet me har for barn som er fødde inn i familiar som ikkje klarer å ta vare på dei, for barnevernet som institusjon, og og for fosterheimsfamiliar, som det uvurderlege tilskottet dei representerer for fellesskapet si evne til å ta vare på dei som lita eller inga stemme har. Å driva eit slikt arbeid utan mest mogleg relevant kunnskap er eit unødvendig eksperiment med det dyraste me har – sårbare barn. Bakgrunnen for denne meldinga er at Venstre våren 2014 fremja eit forslag om ein heilskapleg gjennomgang av fosterheimsomsorga gjennom ein NOU. I debatten valde eg og Venstre å ta statsråden på ordet då ho var så tydeleg på at å gå omvegen om ein NOU ikkje var nødvendig, og at ei rekkje pågåande prosessar som kunne meldast gjennom ei ordinær stortingsmelding, ville vera eit godt grunnlag for å vidareutvikla fosterheimsomsorga framover. Samstundes la Venstre fram ei rekkje forventingar til kva ei slik stortingsmelding måtte svara på. Og for å ta det udelt gode først. Dette er ei god melding på ei rekkje område. Auka bruk av familieråd er svært positivt, tiltaka som handlar om opplæring av likeins. Og det regjeringa har meld om kartlegging og utgreiing av behova til fosterbarn og om oppfølging av barn, biologiske foreldre og fosterforeldre, er gode og sterke delar av meldinga. Desse endringane vil utan tvil leggja betre til rette for at det vert tekne reelle omsyn til kva som er til beste for barn i kvart enkelt tilfelle, og det stiller sjølvsagt Venstre seg heilhjerta bak. Problemet er ikkje så mykje det som står i meldinga, som det som ikkje er nemnt. For Venstre er det heilt sentralt at det å gjera det attraktivt å vera fosterheim, er viktig for både kvantitet og kvalitet. Eg likar ikkje i det heile å bruka eigen person som døme, men med 16,5 års formell røynsle og 25 års reell røynsle som fosterheim, veit eg ganske mykje om at relasjonane, både kjenslemessige og økonomiske, som vert knytte i fosterheimar, er livsvarige og uavhengige av formelle kontraktar og økonomisk kompensasjon frå det offentlege. Idealisme er og skal vera drivkrafta for dei som tek på seg eit fosterheimsoppdrag. Men økonomien er like fullt eit heilt sentralt element. element. Det er her Venstre meiner at stortingsmeldinga sviktar og ikkje gjev eit fullgodt svar på dei utfordringane som forsterheimsomsorga står overfor. Mangelen på økonomisk avklaring legg sterke avgrensingar på konklusjonane. Betre kartlegging før val av tiltak er viktig, men for å kunna skreddarsy tiltaka for barnet som skal inn i ein fosterheimsfamilie, treng me eit mangfald av familiar og heimar mellom. Her ligg flaskehalsen. Me har ikkje mange nok i dag. Når ein i meldinga skriv at alt av oppfølging og tilrettelegging skal finansierast innanfor dagens økonomiske rammer, gjev resultatet seg sjølv. Me treng 1 000 nye fosterheimar årleg framover, men då må det eit alvorleg krafttak til. Og meldinga overtyder dessverre ikkje meg om at det finst incentiv. Det er også grunnen til Venstres forslag – som er eitt av forslaga me legg fram i dag – om å styrkja dei økonomiske rammevilkåra. Eg siterer forslaget, som vil leggja direkte føringar for regjeringa sitt arbeid med statsbudsjettet allereie for 2017: ber regjeringen om å styrke de økonomiske rammevilkårene for fosterhjemsfamilier gjennom en opptrappingsplan der det første steget blir tatt i statsbudsjettet for 2017 gjennom en oppjustering av tilskuddet til kommunene og en tilsvarende anbefaling om økning av KS-satsene for arbeidsgodtgjøring for fosterforeldre.» I kroner og øre betyr det i realiteten pluss/minus 45 mill. kr – 45 45 mill. kr i eit statsbudsjett som no med stormsteg nærmar seg 1 300 mrd. kr. «Peanuts», som kan utgjera forskjellen på om eit barn får ein verdig oppvekst og eit verdig liv etterpå, kontra alternativet. Eg forstår det slik at dette ikkje får fleirtal i dag. Det er synd, fordi dei som røystar mot, i realiteten røystar mot tiltak som hastar sterkt, og dei utset kanskje det mest sentrale og viktigaste tiltaket kva gjeld rekruttering og vilkår for fosterheimar. At det gjeld regjeringspartia som i sak etter sak har små problem med å finna pengar til saker og område som er viktige for dei – eg har litt røynsle med det frå andre forhandlingsrom, litt tilfeldig vald, men ta i denne samanhengen symptombehandling, er ganske vanskeleg å forstå. At Arbeidarpartiet heller ikkje kan vera med på dette, særleg med den retorikken dei brukar, føyer seg dessverre inn i eit mønster, for dei er meir opptekne av å seia dei rette tinga framfor å prioritera dei rette tinga. Sidan dette forslaget frå Venstre, som eg no ser ganske uforståeleg nok fell, varslar eg, med litt skjer hjartet, at me i dag derfor kjem til å røysta for forslag nr. 5 om ein gjennomgang med ein NOU, men då med den føresetnaden at dette ikkje kan forseinka det arbeidet som er varsla i denne meldinga, og som er maktpåliggjande. Me er òg takksame for at komiteen samrøystes har kome fram til mange gode forslag som rettar på delar av dei økonomiske utfordringane. Særleg gjeld dette forslaget om å utgreia pensjonsvilkåra for fosterforeldre og om å sikra likeverdige rammevilkår for fosterforeldre i kommunale fosterheimar. Ein situasjon med forhandlingar mellom kommunetilsette med budsjettansvar på den eine sida og nye fosterforeldre på den andre, er ikkje nødvendigvis ein situasjon som set barns beste i sentrum. Me kjem derfor til å røysta med forslaga frå komiteen og i tillegg for forslag nr. 1, frå mindretalet.

pengene til å øke godtgjørelsen for fosterhjem allerede i 2017. Det kan jo bli en spennende og tøff kamp uansett i det budsjettet. Vi har spurt litt rundt om og ikke fått så klar tilbakemelding på at det er satsen som utløser flere fosterhjem, men at det er mange andre ting som først bør ordnes. Jeg lurer på om representanten Breivik har noen andre tilbakemeldinger som han kan dele med oss, som sier at

gjennom dei drøftingane som me no har hatt fram mot behandlinga i plenum, er at eg ikkje opplever at det har vore nokon vilje til å leggja nokre pengar i potten i det heile. For meg er det ganske uforståeleg med tanke på kor mykje me ville ha fått igjen for rimeleg liten innsats. Det er jo en del andre forslag i denne saken som massene har samlet seg om, og en av de tingene man har samlet seg om, er at en av de tingene man har samlet seg om, er at man må se på pensjons- og forsikringsvilkår for disse fosterhjemmene, og at det blir forutsigbare og gode rammer. Dette vil også kunne kreve en del kostnader. Dette har vi fått veldig klare tilbakemeldinger på at er noe som bør prioriteres, som betyr noe for mange. Ser representanten Breivik at det også er en kostnad som vi kanskje skulle prioritere først? Det er i hvert fall en bakgrunn for at vi tenker representanten Breivik at det også er en kostnad som vi kanskje skulle prioritere først? Det er i hvert fall en bakgrunn for at vi tenker sånn. Eg er heilt og fullt einig i at dette er eit udelt viktig område, og at me svarar på dette og gjer endringar som er til fordel for det tapet som nok ein del fosterheimar dessverre lir for at dei tek på seg eit så viktig Det som er litt av problemet, er at det ligg litt fram i tid – her krevst det ei utgreiing – mens forslaget til Venstre om å gjera noko med fosterheimssatsane med ein gong kunne me eigentleg omsett i praktisk handling allereie frå nyttår, nettopp fordi me eigentleg står i ein akuttsituasjon kor me har altfor lite tilgang på fosterheimar, og me veit at mange barn lir under den

og også komiteen for å samle seg om mange forslag som vil bety mye i utsatte barn og unges liv. SV er som kjent ikke en del av komiteen, men det var gledelig å lese hva komiteen kunne samle seg rundt, og det bærer preg av godt arbeid. Et trygt hjem er et fundament i livet, og et stabilt hjem er helt grunnleggende for oss alle, særlig for de minste og særlig for dem som har opplevd utrygghet. Derfor er det så viktig at vi jobber sammen for en bedre involvering av de ungene det gjelder. Vi vet at barn ikke ses der barn burde bli sett, enten det handler om Nav, om helsevesenet eller om barnevernet. Det er et mål at unger skal gå fra å være tilskuere til reelle aktører i eget liv, der man blir hørt, der man har innflytelse, og der man får være med på å forme sin framtid. framtid. Derfor er det så viktig å ha en politikk og en plan for fosterhjem som varer, for å hindre flytting, for å hindre splittelse, for å hindre nye nederlag og brutte relasjoner. Derfor er det så viktig at vi jobber sammen for en helhetlig og god fosterhjemsomsorg. Det er fremmet en rekke forslag til saken i dag som etter SVs syn er med på å styrke nettopp det målet. Så i tillegg til å støtte komiteens innstilling vil SV gi sin støtte til forslagene fra mindretallet, både til forslagene som Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti har sammen, og forslagene som Arbeiderpartiet Når det gjelder Venstres forslag, støtter vi forslagene nr. 6 og 7. Vi er gjerne enig i intensjonene i de øvrige forslagene fra Venstre, men frykter at ressurser i allerede pressede organer vil gå til byråkrati og kontroll. SV mener at det er viktig å styrke de barnevernfaglige og at det viktigste vi kan gjøre, er å gjøre kommunene i stand til å gjøre en god jobb. Da trengs det flere ressurser og flere fagfolk framfor mer kontroll. Så skal det sies at det aller viktigste kontrollverktøyet er internkontrollforskriften, og at den må prioriteres høyere av de aller fleste kommunene, for der det jobbes bra med internkontrollforskriften, blir kvaliteten bedre. Men jeg vil takke Venstre for veldig gode forslag, særlig forslagene nr. 6 og 7, som SV støtter – fordi forslag nr. 6 legger opp til en styrket ramme for fosterhjemsfamiliene, og fordi forslag nr. 7 etter vårt syn vil gjøre ettervernet bedre. Det å styrke ettervernet er viktig, og det er viktig på hvilken måte det skjer – at det er en rett å få et ettervern, få en oppfølging, framfor en plikt til å motta hjelp. Man skal kunne velge bort barnevern og ettervern på et i livet sitt også. Men det er klart at med riktig involvering av den det gjelder, vil et godt ettervern være avgjørende for å kunne ikke bare stå på egne ben, men klare å gå videre på egne ben og ut i samfunnet. Jeg vil støtte representanten Bekkevold i at det virkelig viktige nå er å sørge for en videre oppfølging av meldingen, om det vi samler oss om i dag. Det å ta veivalg for unger som utsettes for omsorgssvikt, som ikke kan bo hjemme, er et alvorlig og viktig samfunnsoppdrag og en

at vi trenger et mangfold av fosterhjem, og at flere må vurdere å bli fosterforeldre. Da er rammene relevante, og rammer handler om mer enn bare økonomisk kompensasjon. Det handler om rammene rundt et fosterforeldreskap. Jeg vil nok en gang takke komiteen. Jeg vil takke for flere gode forslag som er lagt fram her i dag, og også for en god debatt. Jeg håper og tror at dagens behandling vil bidra til at alle som har litt omsorg til overs, i større grad vil bli eller vurdere å bli fosterforeldre, slik at flere unger kan oppleve å få trygge og gode hjem og stabilitet i et liv som kanskje ellers har vært preget av usikkerhet og utrygghet. Jeg har først og fremst lyst til å takke komiteen for det gode arbeidet som er gjort. Innstillingen viser at det er bred enighet om hovedlinjene på dette feltet. I tillegg har en enstemmig komité kommet med flere konkrete forslag til

Dette er første gang vi legger fram en melding for Stortinget om fosterhjemsomsorgen. Den synliggjør de utfordringene vi har i fosterhjemsomsorgen i dag, samtidig som hoveddelen tar for seg hva det er vi må gjøre for å heve kvaliteten, oppnå stabilitet for barna og for å unngå flyttinger. Jeg har lyst til å trekke fram tre hovedtema i meldingen: bedre kartlegging av det enkelte barn nok riktige fosterhjem til alle barn som trenger det og ikke minst gi bedre veiledning og oppfølging av fosterhjemmene Vi må sørge for at barn får tiltak som møter deres behov. God kartlegging av barnets ressurser og utfordringer er nødvendig for å finne det riktige fosterhjemmet eller institusjonen og for å unngå flyttinger. En slik kartlegging vil også være godt for fosterforeldrene, som da i større grad vet hvilke utfordringer barnet de får, har. Vi må øke kvaliteten på kartlegging og utredning. Derfor foreslår regjeringen i meldingen å utvikle et nasjonalt system for kartlegging av barn. Vi vet vi har utfordringer med å rekruttere tilstrekkelig antall og riktige fosterhjem, dette til tross for at det nå rekrutteres flere fosterhjem enn noen gang. Det er likevel gledelig at etter flere år med målrettet arbeid for å øke antall fosterhjem i slekt og nettverk ser vi nå resultater. I 2014 var 44 pst. av nye plasseringer i fosterhjem i slekt og nettverk, mens totalt var andelen barn i slike fosterhjem 25 pst. Bruk av familieråd er en nøkkel for å rekruttere flere fosterhjem i Derfor ønsker vi å tydeliggjøre kommunens plikt til å vurdere familieråd ved rekruttering. I den nye kvalitets- og strukturreformen som nå er på høring, foreslår vi også å lovfeste kommunens ansvar for alltid å vurdere om noen i barns slekt og nære nettverk kan velges som fosterhjem, samt kommunens plikt til å følge opp hvert barn i fosterhjem. Vi trenger fosterhjem som kan møte ulike barns behov. Derfor er det viktig å prioritere arbeidet med å rekruttere fosterhjem til ungdom, søsken, barn med funksjonsnedsettelser og barn med minoritetsbakgrunn. Mange fosterhjem gjør en uvurderlig innsats. For å hindre at fosterhjemmene gir opp, slik at barna må flytte, må vi styrke veiledningen og oppfølgingen av den enkelte familie. Trygge fosterforeldre som får god oppfølging og kunnskap om hvordan de skal takle vanskelige situasjoner, er det viktigste vi kan gjøre for at det skal gå godt med barnet. Økt økonomisk godtgjørelse skal fortsatt være et viktig virkemiddel. Forsterkningstiltak må likevel ta utgangspunkt i det enkelte barns behov. For å få til et mer forutsigbart system i denne vurderingen er faglige retningslinjer nødvendig. I dag er det KS som fastsetter de veiledende satsene for fosterhjemsomsorg. Men det er viktig at hvert barn og hver familie behandles individuelt, fordi behovene til de enkelte er forskjellige. I mange tilfeller er det mer veiledning og oppfølging som kan utgjøre en forskjell i hvordan fosterhjemmet greier å håndtere et nytt familiemedlem. I andre tilfeller kan det være andre ting som spiller inn.

sånn at barnet måtte flytte. Og: «Det var allerede satt i gang en rekke tiltak for å møte disse utfordringene.» Det er ingen overdrivelse å si at meldinga ikke står til forventningene, noe som bekreftes av de forsalgene som nå blir vedtatt her i dag. Kan statsråden forstå at vi i Stortinget er utålmodig på vegne av de utsatte barna og fosterforeldrene, og at vi ønsker en NOU?

til to år, og som etterpå skal ut på høring for å lage en sak for Stortinget: Jeg stusser litt over den utålmodigheten. Jeg er utålmodig etter å få satt i gang tiltakene som ligger i meldingen, og også det arbeidet som Stortinget har bedt oss om å intensivere. Da skjønner ikke jeg bakgrunnen for å utsette dette arbeidet ved å få på plass en

tenker statsråden? Tenker statsråden nå at vi burde hatt en NOU i tillegg til at vi selvfølgelig parallelt skulle jobbe med å gjennomføre tiltak? Det er ikke sånn at verden stopper fordi om man setter i gang en NOU. Det betyr at vi også tar en grundigere gjennomgang av saken.
Jeg kan forsikre representanten om at dette arbeidet ikke stopper opp, for vi er allerede godt i gang med arbeid for å forbedre fosterhjemsomsorgen. Mange av de tiltakene som ligger i meldingen, og som Stortinget nå stiller seg bak, kommer til å bli fulgt opp. Det er mange innlegg her om at det er utfordringer – vi er enige om utfordringene. Den ene delen i denne meldingen beskriver utfordringene, utfordringene. Den ene delen i denne meldingen beskriver utfordringene, og det er vi enige om. Men hvordan skal vi klare å møte disse utfordringene? Jeg mener vi møter utfordringene ved konkret å se på kartleggingen, ved bedre veiledning til og oppfølging av familiene og ikke minst ved å gjøre noe med de store forskjellene ute i kommunene – og å rekruttere flere fosterhjem i nettverk og

at innenfor dette området har ikke meldingen, og kanskje heller ikke alle forslagene, tatt opp i seg alt det som er utfordringer innenfor fosterhjemsfeltet, og som gjør at det kan være behov for en NOU. La meg peke på ett område: at kommunene skal overta mer av ansvaret for barnevernstjenestene. Man baserer dette på en forsøksordning i Jeg er bekymret for at denne forsøksordningen kanskje ikke holder helt mål, at vi ikke får det brede grunnlaget for å kunne ta en vurdering av om det er riktig å overlate mer ansvar til kommunene basert på denne forsøksordningen. Dette er av de tingene som ville passet godt inn i arbeidet med en NOU. Er statsråden

Geir Jørgen Bekkevold peker på, at det er ikke noe motsetningsforhold her. Vi har en rekke forslag som vi ønsker å få vedtatt i Stortinget i dag. I tillegg ønsker vi å ha en helhetlig gjennomgang av hele feltet. Det må være mulig å kombinere begge deler. Så registrerer jeg at Horne påstår at salen er arrogant og at vi er overrasket over at det kommer forslag fra Stortinget. Nei, vi er ikke overrasket over at det kommer forslag fra Stortinget. Det vi er overrasket over, er at når man, som Solveig Horne selv sier, sto på dag og natt i åtte år i opposisjon og fremmet forslag. Hvorfor benyttet man ikke sjansen når man faktisk fikk makt og velgernes tillit og muligheten til å legge fram de forslagene i en stortingsmelding, når en har sjansen? Kanskje det som overrasker representanten Grande, er at forslaget fra Stortinget faktisk får flertall i dag – uten at jeg skal gå videre inn på det. Det

for å følge opp og få på plass en utligning av de forskjellene som er der. At det da kommer andre forslag som understreker hovedlinjene i regjeringens melding, og som også forsterker det arbeidet som Stortinget mener at regjeringen skal gjøre, det ser jeg bare som en styrke. Dette er et felt som vi alle engasjerer oss i, et viktig felt, for å sikre en bedre hverdag for barn når staten overtar ansvaret, og da skylder vi faktisk de barna å gi dem en bedre oppfølging enn det de har hatt før.

For det første ble det jobbet systematisk med dette også i de åtte årene da den rød-grønne regjeringen hadde muligheten til å styre dette feltet. Samtidig erkjenner vi at det fortsatt er mange store utfordringer som gjenstår. Derfor hadde vi i det minste trodd at regjeringspartiene ville stå for det de sto for i opposisjon, og ville fremme de forslagene når de hadde sjansen, i en egen stortingsmelding. Når så ikke skjer, er det jo gledelig at Stortinget evner å finne sammen til felles forslag som kan styrke feltet ytterligere. Så – i tillegg til det – ligger det nå en invitasjon fra opposisjonspartiene til ytterligere å gå inn i dette feltet ved å få en skikkelig kartlegging og en NOU på feltet. Kan ikke statsråden i det minste ta imot den invitasjonen til å få muligheten til å gå inn i dette feltet på en grundig måte, slik at vi også kan samle oss om noen nye gode, konkrete forslag for

Når stortingsflertallet nå ønsker en NOU, så skal stortingsflertallet selvfølgelig få en NOU om dette arbeidet – ikke noe problem – men jeg vil i hvert fall forsikre både Stortinget og representanten om at dette viktige arbeidet ikke skal bero på en NOU. Vi setter i gang dette arbeidet, med de punktene som nå ligger her. Jeg vil likevel understreke at jeg ikke helt klarer å få tak i hva den NOU-en helt konkret skal inneholde. Replikkordskiftet er over. Jeg fikk lyst til å minne om sakens tittel: Fosterhjem til barns beste. Til barns beste! Jeg vil i

Jeg vil i likhet med saksordføreren få takke komiteen for et konstruktivt og godt samarbeid i denne viktige saken. Nettopp den grunnleggende enigheten om at dette er en viktig sak for en gruppe unge innbyggere i landet vårt, har vært drivkraften i arbeidet med å få en omforent innstilling i saken. Samtidig er dette et felt komiteen har fulgt tett, både i møte med barn som har vært en del av systemet, foresatte i fosterhjem og ikke minst kommunetjenestene rundt i landet som har ansvaret for oppfølging. Den største utfordringen vi står overfor, er mangelen på fosterhjem. Akkurat nå er det mange hundre barn rundt i landet vårt som har behov for omsorg og trygghet i et nytt hjem som må vente og vente, og flytte rundt til midlertidige løsninger. Mange av disse gjennomgår den tøffeste tiden i livet sitt, og vi makter ikke å gi dem rask og riktig oppfølging. Det gjør oppriktig vondt. Akkurat rammene rundt fosterhjem har også vært en sentral del av diskusjonen mellom oss politikere. Det er utfordrende i seg selv. Vi minner oss selv på, hele tiden, at det er barnets beste som skal legges til grunn i de valg som Samtidig blir det umulig å ikke diskutere forutsetningene og rammene for dem som skal være foresatte. Jeg er glad for at det er noen helt sentrale emner i denne diskusjonen som det er enighet om i komiteen. For det første: Fosterforeldre skal ikke tape på å åpne hjemmet sitt for barn som trenger det. Det vil si at dersom du ved mottak av et barn, eller i perioder med spesielle utfordringer rundt barnet, trenger å ta fri fra arbeidet ditt for å ta vare på barnet, må det være etablert ordninger som gjør at f.eks. pensjon og forsikringer ivaretas på en god måte. Å ta et ansvar på vegne av storsamfunnet må ikke utløse straff, men heller belønnes. Derfor er det en samlet komité som ber regjeringen se på dette. Det andre komiteen er samlet om – som en erfaring etter mange saker vi får høre om, og fosterforeldre vi har møtt – er at fosterforeldre opplever manglende rettigheter i avgjørelser for barna. Komiteen ber derfor regjeringen se på hvordan dette kan rettes opp, hele tiden med barnets beste for øyet. Fosterbarn er som alle andre barn – individuelle barn med individuelle behov. De må da også få en oppfølging som følger opp dette. Det gjør det vanskelig å kombinere behovet for samordnede nasjonale rammer som gir forutsigbarhet, og muligheten for tilpasning til det enkelte barn. Vi har likevel samlet oss om et ønske om likebehandling som grunnlag, landet rundt, også i håp om at en slik likebehandling skal føre til økt rekruttering av nye hjem. Det har vært spennende å høre om og møte personer som med stort engasjement for barna tenker nytt, og som aktivt utfordrer sine omgivelser på å bli fosterhjem. Sist uke var komiteen på reise til Bergen og møtte der ansatte i barnevernet som kunne fortelle at bevisst tenking omkring rekruttering av fosterhjem i nærområdet til barna hadde gitt gode resultater. Både familie, venner og krets rundt skole og barnehage ble involvert – det er lettere å engasjere seg for Åshild og Robert, som de kjenner til, enn en generell påmelding som fosterhjem. Dette utfordrer oss alle – og bør gjøre det. Ikke uventet er det også noen ting det ikke er full enighet om. Behovet for og prioriteringen av å trappe opp godtgjørelsen til fosterhjem er en slik sak. For oss i Høyre kan vi ikke se at vi har fått entydige signaler om at det er størrelsen på godtgjørelsen som er avgjørende for rekrutteringen. Som før nevnt er vi enige om å se på betingelsene for fosterforeldre, men å låse store summer i et trangt budsjett til denne økningen kan vi ikke være med på.

fosterhjemmene trenger vårt bidrag til en god støttetjeneste i kommunene, og vi må få på plass flere fosterhjem raskt – nå! En NOU vil naturlig nok bidra til en utsettelse. Fosterhjem til barns beste! De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter.

De fleste er enig i dette prinsippet, men det er også viktig at dette må ses i sammenheng med artikkel 12, som gir barn rett til å fremme sine synspunkter basert på alder og modenhet. Derfor handler barnets beste om barns rett til å bli hørt eller et barneperspektiv om man vil. Dette må være utgangspunktet i alt fosterhjemsarbeid – fra barnevernsutredning til fylkesnemnd og senere plassering i fosterhjem. En grunnleggende utfordring ved plassering i fosterhjem er samhandlingen mellom barnet, fosterhjemmet og biologisk familie. Barnet skal etablere seg i en ny familie, og det skal samtidig være kontakt med biologisk familie for at barnet skal kjenne sin forhistorie. Dette er utfordrende for alle parter, men avgjørende for barnets omsorg. Noen barn opplever å bli flyttet fra et fosterhjem til et annet – noen flere ganger. Dette er uheldig og kan utfordre den tryggheten og stabiliteten som barn, som allerede har opplevd mye usikkerhet, behøver. Det er derfor viktig å satse mer på veiledning og opplæring av fosterforeldre så de kan møte de utfordringene fosterbarn kan ha. Fosterforeldre bør få god informasjon om hva det innebærer å være fosterhjem, men også utfordres på relasjonen seg imellom og hvordan de felles løser problemer som kan oppstå. Barn plassert i fosterhjem skal følges opp med jevnlige tilsynsbesøk for å være sikker på at de får den omsorgen de behøver. Det må ikke bare legges vekt på antall besøk, men også at besøkene oppleves som meningsfulle for barnet, og at det samtidig er en opplevelse av å bli hørt. Når det nå legges fram en melding til Stortinget om fosterhjem til barnets beste, vil jeg benytte anledningen til å takke regjeringen for å sette en viktig sak for barn på dagsordenen, men også for det spennende og interessante arbeidet som har foregått i komiteen. La oss ikke glemme at arbeidet med fosterhjem krever godt utdannede sosialarbeidere, gode fosterhjem og et barneperspektiv der barn blir lyttet til når de har behov for det. Det at komiteen er blitt enig om så mange forslag, er enig om så mange forslag, er gledelig, for dette er en sak hvor partipolitikken ikke er mest framtredende. Forebygging er det beste. Det å vokse opp hos biologiske foreldre er bra, om det går. Jeg er glad for at vi får flertall for et forslag der vi ber regjeringa se på tiltak som kan settes inn på forhånd, dersom en oppdager at en gravid mor trenger ekstra støtte i etterkant. Det kan gjøre at den mora blir en god mor. Tidlige tiltak gir ungene en mulighet for å få det gode hjem, og det må være målet vårt – forebygge framfor å reparere er det beste. Barn trenger omsorg, kjærlighet og stabilitet, og vi har prøvd å skape noe av det gjennom forslagene våre fordi ungene fortjener det. Det er, som representanten Bekkevold sa, mange flotte fosterforeldre som gjør en formidabel, stor innsats på vegne av oss andre, og de trenger en ekstra takk for den jobben de gjør, men da må vi også gi dem vilkår som de kan leve med, og veiledning som de trenger når de sier de trenger det. Mange fosterforeldre etterlyser også rettigheter i forhold til ungene. De har ungene i mange år og blir glad i dem, og så plutselig er de borte. Savn av samvær og mulighet til å være sammen med dem er vanskelig mange ganger, og derfor fremmer vi forslag om partsrettigheter som en bør se på. Et annet forslag gjelder ankemulighetene for biologiske foreldre, som jeg mener er veldig viktig. Det er viktig at biologiske foreldre kan anke hvert år, men flesteparten gjør Det skader ungene og minsker stabiliteten for dem. Derfor mener vi at dette bør ses på. Vi skulle gjerne ha støttet Senterpartiet i deres ønske om ikke å åpne for flere kommersielle aktører, men det er sånn at vi i hvert fall i forslag nr. 2, fra Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti, har bedt om at man gjennomgår saken. Jeg erkjenner at vi må ha private aktører på det markedet enn så lenge. av en NOU er blitt en stor sak her, og det er ikke sånn enten–eller. Det vil ikke være sånn at vi her sier at vi nå setter strek for fosterhjemsomsorgen, og så stopper vi. Jeg tror at statsråden kommer til å komme med mange tiltak dersom denne NOU-en blir vedtatt igangsatt, og så kommer statsråden til å fortsette å jobbe og kommer til å finne fram til flere gode tiltak innenfor fosterhjemsomsorgen. Hun stopper ikke der med å jobbe med god politikk. Den brede gjennomgangen som vi ønsker, må gå parallelt. Derfor tror vi ikke at en statsråd legger ned klingen og sier at nå har jeg fått råd fra Stortinget om at jeg ikke skal gjøre noe mer – det tror vi ikke. Dagens familier er mer mangfoldige enn tidligere. Det er viktig at det mangfoldet av familier også gjenspeiles i rekrutteringen av fosterfamilier. Ektepar med

LHBT-personer med og uten barn, aleneforeldre, enslige – ja de er alle eksempler på det mangfoldet en har av ulike familieformer i Norge. Det er viktig at vi evner å se den enkeltes omsorgsevne som viktigste parameter for om en kan være godt egnet som fosterfamilie, små eller store familiefellesskap. Skal vi øke andelen som ønsker å være med og gjøre en viktig omsorgsoppgave som fosterhjem, er det viktig at vi politisk legger til rette for mangfold av hjem, mangfold av hvordan familien er organisert, og at vi ser det positive og anerkjenner det mangfoldet. I stortingsmeldingen «Trygghet og omsorg. Fosterhjem til at ved valg av fosterhjem skal barnevernstjenesten ta hensyn til barnets religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn. Det er derfor viktig at vi i dag poengterer denne rettigheten når det også gjelder barn som tas ansvar for av barnevernet. Når det gjelder samiske barn, er det her hensyn som vi spesielt må være med og ta ansvar for og kaste lys på, at vi legger til rette for at vi rekrutterer nok samiske fosterhjem som står klare for å gi omsorg, for å være en kulturbærer videre for de barna som har behov for det. Det er viktig at meldingen følger opp med konkrete tiltak også på dette området, altså tiltak som gjelder samiske barn. Til slutt har jeg lyst til å påpeke at jeg syntes det var trist å oppleve starten på statsråd Hornes innlegg i dag. Jeg mener at angrepet på Arbeiderpartiet ikke var berettiget, men jeg opplever det som et svar på at en statsråd er presset, presset over tilbakemeldinger fra både fagmiljøer og oss i dag og tiden i forkant over tilbakemeldinger fra både fagmiljøer og oss i dag og tiden i forkant over manglende tiltak på flere sentrale områder i den meldingen hun leverte til Stortinget. Eg har behov for litt stemmeforklaring frå Framstegspartiet og Høgre. Vi vil gå inn for forslag

«at det utvikles», «at videreutdanningstilbudet vurderes», «at det utredes nærmere om», og det står om rekruttering – det står om mykje i denne meldinga. Og eg er ikkje redd for at vår statsråd ikkje vil gå hardt inn for å få gjennomført alle desse tiltaka på ein god og skikkelig måte – eg berre gler meg til at alle desse tiltaka blir tatt hand om og sette ut i livet.

latterliggjøre det at Stortinget kommer med egne forslag utover det som regjeringen har foreslått, mener jeg at det taler for seg selv. I åtte år satt Arbeiderpartiet og stemte ned alle gode forslag for fosterhjemsomsorgen som kom fra opposisjonen. Det var svært sjelden det var forslag fra Stortinget som ble vedtatt. Jeg skal være så

det å forebygge og hjelpe familiene ved at alle familienære tjenester ute i en kommune jobber sammen for å skape trygge og gode foreldre som kan ivareta barna sine. Jeg har også tro på at det arbeidet som er i gang når det gjelder familievernet og satsingen på helsestasjonene, er med på å gjøre at flere barn får en trygg hverdag hos sine biologiske foreldre.

Det nye har vært den intensiverte konkurransen fra utenlandske aktører som forsyner seg stort av annonsemarkedet, samtidig som abonnementsmodellen utfordres. Men selv det kan ikke lenger kalles en ny situasjon. Faktum gjenstår likevel: Norske medier står midt i en krevende situasjon. Samtidig som en avis skal opprettholde det tradisjonelle budleverte papirtilbudet, skal den samme avisen være innovatør i et digitalt marked, et marked hvor få foreløpig har knekket koden: hvordan omsette leserens interesse i nok penger til å skape bærekraft. I Norge omdisponerer vi direkte og indirekte nær 8 mrd. kr fra deg og meg til norske medier. Det skjer i form av NRK-lisens, momsfritak, produksjonstilskudd, distribusjonstilskudd og en del andre større og mindre ordninger. Det er mye penger, og det er nødvendige penger i et lite språkområde og derfor også et lite marked. Vi ønsker og vi skal legge til rette for at norsk kvalitetsinnhold gjøres tilgjengelig for alle. Det er en del av grunnmuren i demokratiet vårt. Det er likevel grunn til å tro at om vi hadde satt oss ned i dag og sagt at dette er dag null i den nye medievirkeligheten, og så skulle vi disponert de 8 mrd. kr til fordeling med mål om å legge til rette for norsk kvalitetsinnhold og mangfold – vel, da hadde vi neppe startet med å lage den jungelen av ordninger som finnes i dag. Flere av ordningene er både et lappeteppe og umoderne og konserverende. Som grunnleggende idé bør vi tenke nøytralt når det gjelder plattform og kanal, og prinsipielt når det gjelder leverandører og eiere. Målet skal være å legge til rette for norsk kvalitetsjournalistikk og tilbud som røkter norsk språk, formidler norsk kultur, og som i tillegg også er et viktig bidrag i de integreringsutfordringene vi har. For å forsøke å finne den riktige veien videre har vi igangsatt en rekke ulike prosesser. Utfordringen er at vi ønsker å ivareta det vi har, mens vi samtidig skal legge til rette for det som kommer. Det betyr at de ulike prosessene griper inn i hverandre, og ønsket om en slags restart av mediepolitikken blir tilnærmet umulig. Vi har allerede staket ut kursen for NRK i de kommende årene. Vi har sagt at vi ønsker kommersiell allmennkringkasting, og vi skal ta debatten om både finansieringen av NRK og hvordan vi skal legge til rette for kommersiell allmennkringkasting. I den debatten skal vi trolig også diskutere hva vi mener med allmennkringkasting anno 2016. Det betyr at vi allerede har løftet ut en stor del av mediene og rammevilkårene før neste trinn i utviklingen skal drøftes. Derfor ser vi frem til Mediemangfoldsutvalgets konklusjoner og anbefalinger neste år, selv om en del premisser allerede er gitt. Å kaste inn ytterligere løsninger nå, forut for utvalgets arbeid, vil være uklokt. Hurtige trekk uten ytterligere drøftinger kan virke besnærende, men det er en risiko vi ikke må ta nå. Det er heller ikke slik at den økonomiske utfordringen for mediene i Norge er isolert til en bestemt gruppe av medier. Det er derfor i strid med en prinsipiell tilnærming om vi nå skal prøve oss på en fiffig «quick-fix» for noen utvalgte aviser. Det er en uthuling av forsøket på å skape en mer helhetlig, moderne og nøytral mediepolitikk. Forslaget er konserverende. Fremtidens ordninger skal legge til rette for kvalitetsjournalistikk, norsk innhold og medier som ser makten i kortene, både nasjonalt og lokalt. Lokalavisene, på lik linje med alle andre medier, er også avhengige av innovasjon og utvikling, og det er mitt mål at fremtidige ordninger skal stimulere til nettopp dette, også for de viktige lokalavisene, slik at også lokalavisene kan fortsette å være viktige, ikke nødvendigvis bare som aviser, men gode lokale medier også i fremtiden.
Ordningen med produksjonstilskudd har vært en stor suksess. Hvis en sammenlikner det norske mediemangfoldet med de fleste andre land, ser vi hva den har betydd. Til påstanden om at den har virket konserverende, kan jeg bare vise til at siden 1990 har det blitt startet opp 110 nye lokalaviser, delvis som følge av at vi har hatt en god ordning. Formålet med produksjonstilskuddet er at man skal bidra til å opprettholde et mediemangfold med høy kvalitet og uavhengig journalistikk. Det er samtidig slik at de nye utfordringene som mediebransjen opplever – herunder også alle mottakerne av produksjonstilskudd – er svært krevende, som også saksordføreren var inne på. Man opplever svært tøffe tider i kampen om lesere og annonsekroner, og mange av de minste avisene har dessuten kommet kort i den digitale overgangen. Vi tror – i likhet med innspillet vi har fått fra Landslaget for lokalaviser – at et høyere produksjonstilskudd til nettopp lokalavisene ville hjelpe flere til å kunne lykkes i den digitale overgangen og ikke minst bidra til at flere i den digitale overgangen og ikke minst bidra til at flere kunne hatt et sterkere redaksjonelt miljø. Begge deler er viktig og ville ha oppfylt mye av formålet med produksjonstilskuddet. Jeg tror også at hvis flere lokalaviser kunne ha lyktes mer med den digitale overgangen, så lave tilskudd som enkelte lokalaviser mottar, ikke er et tilstrekkelig bidrag til at man kan lykkes verken med sine redaksjonelle ambisjoner eller med den digitale overgangen. Det vi ber om i dette forslaget, er en vurdering av hvordan dette eventuelt kan gjennomføres. Vi foreslår ingen konkret modell. Vi foreslår ingen «quick fix». Vi foreslår rett og slett at dette skal vurderes og gjennomgås. Og vi er noe skuffet over at regjeringspartiene ikke viser interesse for at lokalavisene skal kunne få et økonomisk løft. Tvert imot er det jo slik at Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen alle ganger de har hatt muligheten, har foreslått å redusere produksjonstilskuddet for alle produksjonstilskuddsmottakerne. Denne kombinasjonen av både å foreslå å redusere nivået på produksjonstilskuddet og den motviljen vi ser mot å foreta justeringer eller i hvert fall vurderinger av justeringer, viser at regjeringen ikke har tatt inn over seg den krevende situasjonen som mange lokalaviser gjennomlever. Vi erkjenner at hvis dette skulle blitt gjennomført,

«Det er dette flertallets oppfatning at konserverende politikk, tuftet på tenkning om at dagens mediebilde skal danne mal for fremtiden, ikke er det bransjen trenger.» Samtidig avviser altså regjeringspartiene å utrede en justering av tilskuddet. De skriver heller at dagens ordning er «treffsikker og fleksibel», til tross for at regjeringspartiene tidligere har ment at ordningen er konserverende. Så der de tidligere mente at ordningen var konserverende, har de i dag blitt den største tilhengeren – altså selv blitt konserverende. Ønsker representanten å ta opp forslaget fra Arbeiderpartiet? Ja. Da har representanten Arild Grande tatt opp det forslaget han refererte til. Reell ytringsfrihet og en fri og uavhengig presse presse er forutsetningen for et sunt demokrati og en levende samfunnsdebatt. Medienes tradisjonelle finansieringsmodeller er under press, og mediemarkedet, som i stor grad har vært beskyttet av språk og nasjonale grenser, har blitt globalisert. I dette bildet er det svært viktig med gode rammevilkår for nasjonale medieselskaper som har ambisjoner om å levere kvalitetsjournalistikk. Lokalmediene er viktige kulturbærere, som bidrar til levende lokalsamfunn og sørger for at bredden av synspunkter kommer fram i det offentlige ordskiftet. De riksdekkende, regionale og lokale mediene spiller sammen og gir en bredde i samfunnsdebatten. Dette er det viktig at vi klarer å legge gode rammer rundt, slik at vi også kan ha det i framtiden. Det er ingen tvil om at mange sliter, både med den digitale overgangen og gjennom færre annonsekroner. Likevel er ikke bildet entydig, og vi er litt usikre på om en generell heving av minstesatsen er en Kristelig Folkeparti er opptatt av at pressestøtten skal være tilpasset på en slik måte at den også tar inn over seg en endret mediehverdag. Derfor ser vi det som viktig, og vi er glad for at en samlet komité også viser til det nedsatte Mediemangfoldsutvalget, og at det selvsagt også bør drøfte Jeg vil helt til slutt bare understreke at Kristelig Folkeparti ønsker å videreføre pressestøtten for å sikre en rik flora av både papiraviser og nettaviser som utgis både nasjonalt, regionalt og lokalt, og vi ønsker å sikre nasjonale medieselskaper gode rammevilkår i møtet med den globale mediekonkurransen. Dette er det viktig at vi fokuserer sterkt på framover.

da innse at markedskreftene alene kommer til kort når det gjelder å opprettholde en differensiert lokalpresse. Det er bra at produksjonstilskuddet nå er gjort plattformnøytralt. En slik justering var framtidsrettet og i tråd med dagens medievirkelighet, der publisering på nett har blitt en viktig del av avisenes virksomhet og lesernes hverdag. Lokalavisa viser det som skjer, og hva folk mener i distriktene, på bygda og i bydelen. Lokalavisa er den viktigste arenaen for debatt om lokale saker og synliggjøring av lokal kultur. Produksjonsstøtte til lokalavisene handler derfor om lokalt demokrati og lokal kultur for alle som bor i ei bygd eller en bydel. Senterpartiet vil understreke at de fleste små lokalavisene kommer ut i næringsfattige områder og er avhengig av produksjonsstøtte for å klare seg og for å lage gode avisprodukter som folk ser nytten av. Derfor er det viktig at støtten til de minste lokalavisene økes. Formålet med produksjonstilskuddet er å bidra til et sterkt mediemangfold over hele landet. Som sagt utgjør lokalavisene en svært betydningsfull og representerer sentrale forutsetninger for lokaldemokratiet som nyhetsformidlere og identitetsbærere i lokalsamfunnet. Det er vel kjent at avisene opplever svært tøffe tider i kampen om lesere og annonsekroner. Mange av de minste avisene har også krevende løft for å henge med i den digitale overgangen. Tall fra Medietilsynet viser at flertallet av de tilskuddsberettigede mediene har en beskjeden digital tilstedeværelse, og at utviklingen på annonsemarkedet vil øke presset for å få på plass digitale løsninger. Sjøl om medienes opplagsinntekter øker, synker medienes annonseinntekter så mye at et stort antall store og små medier har gått med underskudd de seinere åra. Det er grunn til å tro at annonseinntektene vil fortsette å falle også i tida som kommer, og at fallet vil ramme alle typer tilskuddsberettigede medier. Med et høyere produksjonstilskudd vil de kunne sikres videre drift og mulighet til å utvikle gode nettaviser, noe som på sikt kan gjøre lokalavisene mindre avhengige av statlige tilskudd. På denne bakgrunn støtter Senterpartiet representantforslaget om å utrede en heving av minstesatsen. Senterpartiet er enig med forslagsstillerne i at en hevet minstesats betinger at budsjettrammen for produksjonstilskuddet økes, slik at de største avisene ikke får redusert sine tilskudd. En økning av den totale produksjonsstøtten er helt nødvendig, også som en følge av at de digitale mediene nå er inkludert i Når flere deler den samme kaka, kan vi ikke samtidig gjøre kaka mindre, sånn som regjeringa har forsøkt tidligere i denne perioden i sine budsjettforslag. Jeg vil derfor anmode regjeringspartiene om å ta situasjonen på alvor og ikke forsøke seg med nye kutt i pressestøtten for å saldere regjeringas kommende forslag til statsbudsjett. Nivået på produksjonsstøtten må til enhver tid ta høyde for det reelle økonomiske behovet blant tilskuddsmottakerne, i tråd med formålet til pressestøtteordningen. Etter Senterpartiets oppfatning er en økning i produksjonsstøtten i den store sammenhengen en billig investering i demokrati og levende

det er tøffe tider for alle lokalavisene, sammen med våre andre medium. Likevel ser vi at de er ute etter å finne gode løsninger for ikke bare å overleve, men for å sikre et godt mediemangfold til et et avishungrig publikum som vi nordmenn er. Det var også derfor regjeringen nedsatte Mediemangfoldsutvalget for å sikre framtida til lokalavisene våre, men også til andre deler av pressen, slik at norsk kvalitetsinnhold skal kunne leveres også i overskuelig framtid. Jeg er glad for at flertallet i komiteen nå ikke går inn for endringer som vil innebære en grunnleggende omlegging av systemet for beregning av mediestøtte, særlig med tanke på at Mediemangfoldsutvalget nettopp er nedsatt for å se dette i en større helhet og for å vurdere kompleksiteten som de ulike mediene nå står oppe i. Jeg mener at det for det første er for det første er feil tidspunkt for en slik omlegging. Det nye plattformnøytrale produksjonstilskuddet ble innført relativt nylig, og jeg mener også at dagens system er langt mer treffsikkert enn et fast minimumstilskudd på 1 mill. kr. I dag fastsetter departementet hvert år tilskuddssatser som avgjør fordelingen av bevilgningen mellom de ulike gruppene av medier som omfattes av ordningen. Hensikten er nettopp at fordelingen skal kunne justeres på bakgrunn av den økonomiske utviklingen i de ulike mediegruppene. Medietilsynet utarbeidet et forslag basert på innhentede økonomidata, og det forslaget ble deretter drøftet med Mediebedriftenes Landsforening før departementet fattet en beslutning. Systemet der gir dermed en viss nødvendig fleksibilitet, samtidig som det er grunnleggende forutsigbart, og det sikrer også bransjen innsyn, og det sikrer medbestemmelse i Til sammenligning vil et fast minimumstilskudd, som Arbeiderpartiet her foreslår, på 1 mill. kr treffe dårlig, og det kan fort bli en veldig utdatert ordning som langt fra tar høyde for den utviklingen vi ser i norsk mediebransje. Det er ikke sånn at de som får under 1 mill. kr jevnt over, har et større behov for økt støtte enn andre grupper. Tvert imot omfatter dette gruppene av de mediene i ordningen som har absolutt best økonomi. Det er også noe de mediene i ordningen som har absolutt best økonomi. Det er også noe flertallet i komiteen kommenterer i innstillingen, og det synes jeg er riktig at kommer frem. Det er også sånn at en slik ordning forutsetter en betydelig økning av tilskuddsrammen, og det er også Det er ikke regjeringens politikk å øke mediestøtten, det står også klart i vår politiske plattform. Derimot ønsker vi å se på hvordan vi kan modernisere, hvordan vi kan effektivisere og målrette virkemidlene, slik at vi får maksimalt med mediemangfold ut av hver offentlige krone vi benytter, er vi mange som har store forventninger til at Mediemangfoldsutvalget skal gi oss forslag til. Jeg vil likevel presisere at jeg langt på vei støtter forslagsstillernes beskrivelse av utfordringene bransjen står overfor, og jeg håper at Stortinget, når Mediemangfoldsutvalget legger frem sine forslag, vil være interessert i å diskutere hvordan vi samlet sett kan bidra til at et samlet Presse- og Medie-Norge kan gå inn i en tid der vi sikrer norsk kvalitetsjournalistikk og mediemangfold i mange, mange år fremover. Det blir replikkordskifte. Det er åpenbart at Høyres logikk på dette området handler om at siden alle har det like ille, skal vi kutte for alle, i stedet for det som vi erkjenner, nemlig at ja, alle har store utfordringer, men de minste har nok de tøffeste utfordringene – sånn som mediemarkedet ser ut i dag – når det gjelder å lykkes med den digitale transformasjonen. Derfor har vi dette forslaget om å utrede en heving av kombinert med at vi også ønsker en heving av rammen når det gjelder produksjonstilskuddsordningen som sådan. Handler egentlig regjeringspartienes motstand mot dette forslaget nettopp om dette, at et sånt forslag vil innebære at vi må heve produksjonstilskuddet, fordi regjeringspartienes plan fortsatt er å kutte produksjonstilskuddet for alle ytterligere? Det er ingen tvil om at regjeringen ikke tror at den eneste løsningen er å heve produksjonstilskuddet. Det står jo i plattformen for denne regjeringen, så det kan ikke komme som noen overraskelse selv for representanten Grande. Men når det er sagt: Bakgrunnen for at vi ikke ønsker å støtte et slikt forslag, er at vi vil se på hvordan vi kan sikre norsk mediemangfold – og gjøre det Det var derfor vi satte ned Mediemangfoldsutvalget, slik at man kunne se dette i en helhet, ikke bare gå med på løsninger for enkelte deler av pressen – og i dette tilfellet bare lokalaviser – men sikre hele floraen av norske medier når vi nå går inn i en ny tid, som krever stor omstilling av norske medier.
Vi har gitt vår tilslutning til å opprette Mediemangfoldsutvalget. Vi har sagt klart fra i mange sammenhenger at vi tror det er riktig å se hele feltet overordnet. Arbeiderpartiet har faktisk hatt sitt eget demokrati- og medieutvalg, som har jobbet over lengre tid, og har levert mange forslag til hvordan dette kan løses. Ingen må tro at det handler enten om å sette ned et utvalg eller om å foreslå tiltak – det er begge deler. Parallelt med at man ser på dette overordnet fra utvalgets side, må man ikke komme i en situasjon hvor kua dør mens gresset gror. Nå skjer det store omveltninger i mediebransjen, og det er viktig at vi er på hugget når det gjelder hvordan vi kan legge til rette for at det sterke mediemangfoldet vi har i Norge, kan fortsette. Det gjorde vi i allmennkringkastingsavtalen, og det gjør vi også forsøk på med dette. Hvorfor har statsråden sånn motvilje mot i det hele tatt å vurdere å følge med på utviklingen og sette i verk tiltak, når hun ser at her er det mange aktører som er under press? Om lokalavisene skal leve eller dø – jeg tror ikke det står om noen måneder. Jeg er mer optimistisk på norske lokalavisers vegne enn som så. Jeg tok dette initiativet og forslaget på alvor. Derfor innhentet jeg også en utredning fra Medietilsynet som viste at medier som mottar mindre enn 1 mill. kr, ikke har større driftsøkonomiske behov for økt tilskudd enn andre medier i ordningen. Når denne utredningen viste det, kunne jeg ikke anbefale regjeringspartiene å gå inn på et forslag som hevdet noe annet enn det utredningen fra Medietilsynet viste. Jeg tror det er grunn til faktisk nå å ha respekt for de fagfolkene som er satt sammen i dette utvalget, og som skal legge frem en NOU, og at departementet får jobbe videre med denne NOU-en, og så legges det frem for Stortinget. Det tror jeg alle er tjent med. Vi skal selvsagt ha respekt for for Stortinget. Det tror jeg alle er tjent med. Vi skal selvsagt ha respekt for denne prosessen, og jeg mener at det ikke er noen motsetning mellom det og det å stadig utvikle mediepolitikken også fra dette hus. Vi kan ikke kortslutte hele politikkutviklingen fra Stortingets side Det var noe av hovedpoenget til den forrige statsråden i den forrige debatten i denne salen – at hvis Stortinget vil ha en NOU, skal Stortinget få en NOU, men det må ikke hindre regjeringen fra å levere forslag hvis man ser at det er behov for det. Men så hører jeg det motsatte budskapet fra denne statsråden – at fordi vi har et utvalg, så skal vi ikke fremme noen forslag. Nå skal vi altså sitte og vente til våren 2017, når dette utvalget kommer med sin utredning. er det et klart faktum at det ikke vil skje noe med mediepolitikken fra denne regjeringen før neste stortingsperiode. Jeg er stygt redd for at man da har kommet i en situasjon hvor vi har ganske store utfordringer, som har blitt enda større fordi regjeringen viser vegring. Da må vi jobbe for at vi får et nytt flertall som fra neste stortingsperiode kan iverksette en mer offensiv mediepolitikk. Jeg har behov for igjen å understreke at når det ikke kan påvises et behov for å innføre et fast minimumstilskudd på 1 mill. kr, slik Arbeiderpartiet hevder, og den utredningen som jeg har innhentet fra Medietilsynet, viser at medier som mottar mindre enn 1 mill. kr, ikke har større driftsøkonomiske behov for økt tilskudd enn andre medieordninger, så sier det seg vel

Jeg føler jeg må få lov til å si et par ord her. Jeg har en fortid i mitt arbeidsliv fra nettopp denne bransjen, og jeg har også hatt gleden av å være leder av Mediebedriftenes Landsforening i en årrekke. Jeg sier vel dette mest for å gi uttrykk for at jeg for så vidt har en viss greie på det vi snakker om. Til Arild Grande har jeg lyst til å det norske produksjonstilskuddssystemet er en stor suksess, at det har Arild Grande helt rett i. Alle utredninger som har vært gjort opp gjennom årene, har sagt det samme, at det regelverket vi har knyttet opp til dette, har vært en suksess. Det er selvfølgelig også helt riktig at jo høyere tilskudd de enkelte avisbedriftene får, jo lettere driftsøkonomi har de. Det sier seg nesten helt selv. Det har representanten Grande også helt rett i. Det er bare det å si at det er alminnelig kjent i denne bransjen at de avisene som har forholdsvis minst problemer, nettopp er de små og mellomstore lokalavisene. De største problemene er faktisk ikke der, det vet alle. Det ligger i de såkalte riksdekkende, meningsbærende avisene og de såkalte nr. 2-avisene. Det er disse avisene som får de største tilskuddene, fordi Jeg ser det slik at hvis man sånn over bordet vedtok dette forslaget om å gi betydelig økt støtte til de mindre avisene, ville det nødvendigvis måtte tas fra den samme potten. Det vil da gå utover de avisene som faktisk trenger det mest. Det er en virkning jeg synes man ikke skal gå inn på. Det sies riktignok i innleggene her at det forutsetter en økning i produksjonstilskuddet for å få dette til. Ja, det står det ikke i forslaget. Hvis man tar forslaget slik det lyder, står det bare at man skal heve minstesatsene. Jeg ser ikke akkurat realismen i at man kan forvente det – og det er ikke bare fordi jeg er medlem av finanskomiteen. Men jeg tror ikke akkurat det er politisk stemning for å øke produksjonstilskuddet i vesentlig grad. Og så lenge man ikke gjør det, vil effekten av dette forslaget være relativt katastrofalt for en del av de avisene som virkelig har problemer. Derfor ser jeg det slik at det aller mest fornuftige her, for en del av de avisene som virkelig har problemer. Derfor ser jeg det slik at det aller mest fornuftige her, som statsråden har sagt, er å vente på den utredningen som kommer fra Mediemangfoldsutvalget. Bare en kort kommentar til slutt. Vi har fått høre mange varme, gode innlegg fra høyresidens representanter for å bevare dagens ordning. Det er i så fall helt nytt at man mener den er treffsikker. Det er en helt annen retorikk enn det vi har hørt fra Høyre og Fremskrittspartiet tidligere år. At man også mener at nivået er riktig, er i så fall historisk nytt. Jeg håper det innebærer at det ikke kommer forslag om nye kutt, som vil ramme alle mottakerne av produksjonstilskudd som sådan. Jeg vil understreke at et forslag om en utredning, slik vi har skissert i innstillingen, måtte innebære at det var i statsbudsjettet regjeringen kom tilbake med en vurdering av økning av minstesatsene, og at man da selvfølgelig også måtte kombinert det med en økning av produksjonstilskuddet – uten at de store mottakerne skulle få store kutt. Jeg tror nok vi har mye å se fram til av endring i holdning fra regjeringspartienes side når det gjelder det som tidligere utelukkende har dreid seg om kutt i produksjonstilskuddene til norske medier. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 6. Norsk vårgytande sild, såkalla NVG-sild, er Noregs viktigaste pelagiske ressurs. Eg registrerer no at forskarar og fiskarar ikkje er einige om bestandsstorleiken for denne viktige pelagiske fiskeressursen. Fiskarane meiner at bestanden er

Fiskarane meiner at bestanden er mange gongar større enn det som kjem fram i dei årlege kvoteråda frå forskarane. Under gytetoktet på NVG-sild i februar 2016 målte ringnotsnurparen MS Vendla sildeførekomstane i havområdet vest for Nordland. Fiskarane seier at silda vart målt akustisk med I tillegg vart det talt stimar med sonar ut til 2 000 meter avstand på kvar side av fartøyet. Før, under og etter